Det er viktig å understreke at Arbeiderpartiet og regjeringen tar situasjonen i kraftsektoren på det største alvor. Kraft og situasjonen i kraftmarkedet er en viktig rammebetingelse for all næringsvirksomhet og industri i landet og for husholdningene. Vi har i dag for lite vann i magasinene. Da de seneste magasinfyllingstallene ble publisert på onsdag, kunne vi notere en fyllingsgrad på Vi ser på dette som en alvorlig situasjon. For oss er løsningen på de problemene vi nå står overfor, tredelt: Vi må produsere mer strøm. Vi må redusere forbruket av strøm gjennom ENØK. Vi må bygge ut og ruste opp kraftlinjenettet i Norge. Jeg er glad for at regjeringen viser handlekraft og gjennomfører tiltak på alle disse tre områdene. Vi har mangedoblet innsatsen for fornybar energiproduksjon, vi har økt støtten til Enova betraktelig de senere årene, og Statnett har en meget ambisiøs plan for utvikling av nettet i Norge. Det er viktig at vi får en rask løsning på de kraftoverføringssakene som diskuteres nå – Sima–Samnanger og Ørskog–Sogndal. Avtalen med Sverige om grønne sertifikater er en historisk avtale. Den TWh med fornybar kraft. Dette er meget imponerende. De 13 TWh som kommer i Norge, blir et stort og godt bidrag til kraftsituasjonen i Norge. Dette er kraft som ikke går på bekostning av klima, og som bidrar til at vi når våre målsettinger om økt produksjon av fornybar energi. Når det gjelder gasskraftverk, blir forslag om gasskraftverk uten rensing fremmet med jevne mellomrom her i salen. Gasskraftverk selv uten rensing er vanskelige økonomiske prosjekter i Norge i normalår. Arbeiderpartiets politikk når det gjelder gasskraftverk, er klar – det skal være rensing. Jeg opplever diskusjonen om gasskraftverk i Norge som en avsporing av debatten. Vi trenger mer kraftproduksjon i Norge – ja, det gjør vi. Men vi må klare å gjøre det innenfor rammen av klimapolitikken. Nye energiformer representerer en mulighet for en ny vekstnæring i Norge. Alle partiene på Stortinget, unntatt Fremskrittspartiet, er med i klimaforliket. Det vil være ekstremt vanskelig å nå målene i klimaforliket om vi skal bygge ut urenset gasskraft utover det som allerede finnes. Vi har sett en viss glideflukt fra Høyre i denne saken. Er det slik det skal være når Høyre og Fremskrittspartiet skal skrive seg sammen? Er det slik at Høyre fortsatt står for klimaforliket, eller skal det ofres for samarbeid med Fremskrittspartiet?
Neste taler er

jo stor optimisme hos oss, for vi ser at veldig mye av det andre som også har ligget fast, har blitt endret når realitetene til slutt siger inn over regjeringen. La oss bare håpe at det ikke tar for lang tid. Vi må kunne løse kraftsituasjonen uten gass, sa representanten Sund. Ja, det er godt mulig. Hvis en sier nei til de gode industriprosjektene som kommer til Norge, kan en i hvert fall bidra til å løse kraftsituasjonen. Men for meg og for Fremskrittspartiet er det langt viktigere å videreutvikle norsk industri. Når det krever bruk av gass, skal vi som en stor og stolt gassnasjon være positive til det, og ikke prøve å skjule det ved å sende den industrien ut av landet. Det er fullstendig meningsløs politikk å si at Alcoa kan få kjøpe Snøhvit-gass, men de må komprimere den til LNG og sende den til et annet land for å brenne den, framfor å kunne brenne den i Norge. Det har ingen globale miljøkonsekvenser om du brenner gass i Norge framfor i utlandet, men det har store påvirkninger på norsk industripolitikk og legitimiteten til norsk gassproduksjon om du heller får brukt den i Norge. Så der har regjeringen et forklaringsbehov, og det berører ikke representanten Sund i det hele tatt. Vi eksporterer altså gass tilsvarende 200 gasskraftverk til kontinentet, og vi er stolte av det. Så later representanten Sund i en del debatter som vi eksporterer gass for å erstatte kull og ikke importerer gasskraft tilbake til Norge. Jo, vi gjør faktisk det. Representanten Sund burde vite at vi importerer strøm fra flere land enn Sverige. Gasskraftpolitikken viser dessverre at gass er uønsket. Det bør vi endre, og derfor fremmer Fremskrittspartiet dette forslaget. Dette går ut over egen kraftforsyning og ut over egen industriutvikling. Det er meningsløst når regjeringen har en politikk der du skal elektrifisere mer av norsk sokkel for å kunne sende mer gass til kontinentet, for så å importere mer strøm tilbake igjen som skal ut til de samme plattformene. Har man ikke lært av de feilene vi gjorde på Ormen Lange og på Hydro Sunndal da man tillot å bygge ut mer industri uten å tillate dem å bygge ut SV har rett i sitt standpunkt, men SV kommer langt ifra med hele sannheten. Fremskrittspartiet advarte også mot situasjonen. Men i motsetning til SV ønsket ikke vi å skrinlegge Ormen Lange. Vi ønsket å realisere Ormen Lange, men også å realisere kraftproduksjonen. Der er det ikke bare å skylde på Bondevik-regjeringen for at det ble som det ble. Der har Arbeiderpartiet og Senterpartiet et tilsvarende ansvar,

paradokset som finnes i norsk gasskraftpolitikk. Dagens statsråd var til stede da Hydro fikk åpne i Qatar, men han nektet altså Alcoa å bygge tilsvarende. I forrige debatt, om energimeldingen, bekrefter statsråden at skal du komme med industri til Norge, har du ingen annen måte å sikre energien din på enn å gå ut i kraftmarkedet. Så snakkes det

Det er egentlig oppsiktsvekkende at regjeringspartiene avviser dette forslaget, for det vi foreslår, er i realiteten det regjeringen har gjort på Mongstad. Det er å bygge gasskraftverk med den teknologien som finnes i dag, og tilrettelegge for rensing når den teknologien er klar. Det har regjeringen gjort på Mongstad, og SV lot seg lure til det. Det er jeg egentlig veldig glad for. Men når andre deler av Norge trenger slike løsninger, setter regjeringen seg på sin symbolske hest og lar ingenting skje. Det er trist. Representanten Ketil Solvik-Olsen har tatt opp det forslaget han refererte til. Debatten om gasskraftverk i Norge er på mange måter en diskusjon full av det mange vil oppfatte som dobbeltmoralske Norge, som en stor energileverandør av gass til bl.a. Europa, arbeider for at landene i større grad skal ta i bruk naturgass fremfor kull ut fra et miljøperspektiv. Gass har under halvparten så store klimautslipp som kull, og det er til og med hevdet fra enkelte hold at EU kunne oppfylt sine klimaforpliktelser bare ved å legge om fra kull til gass i Samtidig som gass markedsføres som miljøvennlig i andre land, har vi en noe underlig debatt i Norge om etablering av gasskraftverk. Ut fra et forsyningssikkerhetsperspektiv er det fornuftig å etablere andre former for energiproduksjon enn vannkraft, noe som vil gjøre oss mindre sårbare for endringer i nedbørsmengden. Gasskraft er et slikt alternativ. klimautslippssammenheng betyr det ingenting om gassen brennes i Norge eller om det skjer i et annet land. I tillegg må man ved gass som brennes i Norge, kjøpe kvoter i et felles europeisk marked. Det er i dag ingen formelle krav til CO2-rensing av gasskraftverk i Norge som er hjemlet i konsesjonsregelverket etter energiloven, eller når det gjelder utslippstillatelse etter forurensningsloven. Imidlertid er politisk bestemt av den sittende regjering at alle nye gasskraftverk skal ha CO2-rensing og deponering fra oppstart. Dette kravet gjør det ytterst vanskelig, sannsynligvis umulig, å etablere nye gasskraftverk i Norge. Et eksempel fikk vi denne uken da Industrikraft Møre la sine planer om gasskraftverk på Elnesvågen på is inntil videre fordi det ikke er kommersielt mulig å innfri myndighetenes krav om rensing fra første dag uten at staten er med og tar et økonomisk ansvar for merkostnadene ved rensing samt ansvar for infrastruktur for deponering. Høyre ønsker at nye gasskraftverk skal tilrettelegge for rensing, men vi vil ikke gi pålegg om rensing ved oppstart før denne teknologien er kommersielt tilgjengelig. Eventuelle krav om rensing før denne tid vil måtte medføre at staten tar en andel av disse merkostnadene. Dette er også en naturlig konsekvens av klimaforliket. Selv om etablering av gasskraftverk i Norge ikke vil ha noen betydning for de globale utslipp av klimagasser, vil det gjøre det mer utfordrende å nå målene i vårt nasjonale klimaforlik. Ved å tillate større utslippspunkter vil vi måtte bidra ytterligere i andre sektorer for å nå våre klimaforpliktelser frem mot 2020. Da er det etter vår mening naturlig at staten tar et ansvar for merkostnadene ved rensing samt tilrettelegger for transport og deponering av CO2. Siden regjeringens månelandingsprosjekt på Mongstad både er utsatt og forventes å ha en høy kostnadsramme, har Høyre tatt til orde for å flytte renseprosjektet ut av Mongstad og heller støtte rensing ved etablering av gasskraftverk andre steder i landet. Det kan f.eks. være prosjektet som Industrikraft Møre nå har måttet legge på is, siden de fikk avslag på sin anmodning om statlig deltagelse i dette prosjektet. Høyre mener at det ikke skal stilles strengere utslippskrav for klimagasser enn det som er vanlig for gassprodusenter i andre EØS-land. Gasskraftverk i Norge vil være underlagt det felles europeiske kvotesystemet. Utslipp av CO2 fra gasskraftverk i Norge vil derfor ikke påvirke de samlede utslipp av CO2 fra Grunnen til at vi ikke slutter oss til Fremskrittspartiets forslag, er at det i dag ikke er noe i lovverket som tilsier at gasskraftverk ikke kan bygges uten CO2-rensing fra oppstart. Dette er som sagt signaler som er gitt i Stoltenberg II-regjeringens politiske plattform. Jeg vil til slutt på vegne av Høyre fremme vårt forslag om at representantforslaget vedlegges protokollen.
Representanten Siri A. Meling har tatt opp det forslaget hun refererte til. Senterpartiets politikk står fast. Vi vil stille krav om CO2-rensing på alle nye kraftverk. Forslagsstillerne hevder at regjeringens konsesjonskrav for gasskraftverk er urimelig strenge. Det er jeg uenig i. Norge er på den grønne gren rent energimessig. Rundt 60 pst. av vårt totale energiforbruk kommer fra utslippsfri kraft. Vi har nærmest utømmelige havenergiressurser, og våre naturgitte fortrinn gir oss store mengder energi fra vannkraftverk. I tillegg har vi uutnyttede bioenergiressurser. Vi har med andre ord en tilgang til fornybar energi som ligger langt over hva andre land har. Derfor står vi fast på at det ikke skal bygges gasskraft uten rensing i Norge. Prinsippet om at forurenser betaler skal ligge til grunn. I tillegg kan det i noen land være slik at gasskraft fortrenger mer forurensende kullkraft, som også har vært nevnt her i dag. For Norges del kan et slikt valg vanskelig forsvares. Her har vi alle muligheter til å prioritere produksjon av fornybar energi. Gasskraft uten rensing er, hvordan man snur og vender på det, et stort skritt tilbake for klimaet. Vi velger likevel å legge inn betydelige midler for å utvikle teknologi for fangst og lagring av CO2 fra Mongstad, nettopp fordi vi vil bidra til å utvikle denne høyst nødvendige teknologien. Det er viktig for de gasskraftverkene vi allerede har, men ikke minst fordi teknologien i seg selv er viktig for å få ned verdens utslipp. Vi kommer ikke utenom fangst og lagring av klimagasser, skal vi nå klimamålene. I global sammenheng innebærer økt bruk av gass til kraftproduksjon reduserte utslipp av klimagasser. Forutsetningen for dette regnestykket er at gassen kommer til erstatning for kull eller olje som energikilde. Det faktum at gass er et mer miljøvennlig alternativ enn kull og olje, om. Dette er også et viktig argument for at Norge fortsatt bør satse sterkt på å beholde sin posisjon som en stor og stabil leverandør av gass til Europa. Økt bruk av gass til energiproduksjon i Norge vil imidlertid ha stikk motsatt effekt. Det vil føre til en økning av de nasjonale klimagassutslippene, som i tilfelle måtte kompenseres med reduserte utslipp et annet sted i verden.

hovedsakelig vannkraft. Potensialet for økt energiproduksjon fra fornybare kilder som småkraft, vindkraft, vannkraft, bølge- og tidevannskraft er veldig stort i Norge, noe som taler for at Norge ikke burde ha behov for å tillate bygging av flere urensede gasskraftverk. Dagens anstrengte kraftsituasjon skyldes langvarig handlingslammelse i energipolitikken, både når det gjelder nett og produksjon. Løsningen på dette er, slik Kristelig Folkeparti ser det, ikke å lage oss et nytt Mongstad eller Kårstø – gasskraftverk som foreløpig står uten rensing. Et bredt flertall i Stortinget har i klimaforliket vedtatt å redusere de nasjonale utslippene av klimagasser med 15–17 mill. tonn CO2 innen Denne målsetningen kan ikke innfris dersom Norge tillater betydelig økning av klimagasser gjennom bygging av nye, urensede gasskraftverk. Skal vi greie å nå målsetningen i klimaforliket, er utfordringen snarere å få på plass rensing av de gasskraftverkene som allerede er i drift i dag Kristelig Folkeparti er ikke imponert over regjeringens arbeid med CO2-håndteringen så langt. Den varslede månelandingen har støtt på betydelige utfordringer. Mongstad-historien kommer til å prege regjeringens ettermæle, slik Kristelig Folkeparti ser det. Kristelig Folkeparti mener problemene som vi har på Mongstad, åpner for at månelandingen bør flyttes til andre steder i landet. Særlig hvis Mongstad-prosjektet ser ut til å bli skjøvet ut i tid, kanskje utover 2020, bør regjeringen åpne for å ta regningen for CO2-rensing et annet sted i landet gjennom et nytt gasskraftverk med

Kristelig Folkeparti synes det er leit at regjeringen på det nåværende tidspunkt ikke var villig til å stille opp med de økonomiske midlene som det anlegget trengte. Selv om vi ønsker at en eventuell månelanding skal flyttes til et annet sted i landet, er det viktig for Kristelig Folkeparti å understreke at vi vil ha rensing både på Kårstø på Mongstad. Det må ligge fast, slik at vi klarer å få et viktig regnestykke til å gå opp, nemlig en reduksjon på 15–17 mill. tonn CO2-ekvivalenter innen 2020. Energiproduksjonen i verden er

Selv EU og Norges målsetting om å begrense den gjennomsnittlige temperaturøkningen globalt med to grader vil få betydelige konsekvenser for økosystemer og regioner på jorden, og en betydelig høyere temperaturøkning i

Satt i perspektiv har Norge f.eks. på Sleipner-feltet i Nordsjøen siden 1996 deponert 1 mill. tonn årlig. Bare for å holde veksten i verdens utslipp nede trengs 750 nye lagringsprosjekter av denne størrelsen årlig. Dette vil altså bare kunne stabilisere utslippene, mens de må reduseres med 80 pst. Klimautfordringen fremstår som nærmest men et lite påaktet forhold i alle prognoser er at en stadig økende andel av fremtidens utslippskilder ikke er skapt ennå. Man har altså et valg, og dersom man bygger alle nye anlegg rene, vil utslippene sakte men sikkert synke. I tillegg kan man rense eksisterende utslippskilder. CO2-rensing, og et konsekvent valg av rene energi- og transportløsninger fremfor forurensende, er ikke lenger et alternativ, men en forpliktelse dersom man skal unngå de verste utslagene av klimaendringene. Derfor vil jeg fra denne talerstolen rose regjeringen for at alle nye gasskraftverk i Norge skal ha rensing fra dag én. Det er kun gjennom en slik klimapolitikk man kan få bukt med klimaendringene, og det er gjennom en slik politikk man kan bli en ledende klimanasjon. Med en slik politikk kan vi konsentrere oss om å få Med en slik politikk kan vi konsentrere oss om å få ned utslippene fra allerede eksisterende utslippskilder, og man håper – selv om man kanskje ikke tror – at de vil bli behørig adressert, med tilstrekkelige virkemidler, i den kommende klimameldingen. Prosessene på Kårstø og Mongstad er vel gode nok eksempler på vår ikke overdrevne Siden det med stor sannsynlighet vil være høyt fossilt energiforbruk også i årene som kommer, er det viktig å gjøre mest mulig av den fossile energibruken utslippsfri. Det er i dette perspektivet teknologien for fangst og lagring av CO2 er avgjørende for om vi klarer å kutte utslippene nok til å unngå de mest dramatiske konsekvensene av klimaendringene. På grunn av tidsperspektivet for en utfasing av fossile energikilder slik utviklingen er i dag, trengs både CO2-fangst, fornybar energi og energieffektivisering for å løse klimaproblematikken. Avslutningsvis: Dette innlegget kunne også vært holdt i sak nr. 8, om energisituasjonen i Midt-Norge, og i sak nr. 9, om oppstart av de mobile gasskraftverkene. Derfor varsler jeg at dette innlegget også gjelder for disse sakene. Når vi likevel vil stemme sammen med forslagsstillerne i sak nr. 8, er det ikke for å få på plass sterkt forurensende gasskraftverk, men for å få muligheten til å løfte Venstres fornybare innslag

Når det gjelder gasskraftverk i Midt-Norge, vil jeg peke på at Industrikraft Midt-Norge siden 2001 har hatt alle nødvendige tillatelser til å starte bygging av gasskraftverket på Skogn – og det uten krav til den diskuterte CO2-håndteringa i dagens debatt. Det er en realitet at utbygger så langt ikke har funnet lønnsomhet i å realisere disse prosjektene og denne planen. Når det gjelder Industrikraft Møre, ble det gitt en energikonsesjon gjennom stadfesting av NVEs vedtak av Olje- og energidepartementet. Energikonsesjonen inneholder ingen krav til CO2-utslipp fra anlegget. Utslippstillatelsen og spørsmålet om fastsettelse og eventuelle endringer i CO2-reguleringer i slike saker, ligger under Miljøverndepartementets og miljøvernministerens ansvarsområde. I tråd med regjeringas politiske plattform for perioden 2009–2013 vil regjeringa bidra til å utvikle framtidsrettede og effektive teknologier, slik at CO2-håndtering realiseres nasjonalt og internasjonalt. Hovedstrategien for å oppnå dette er å opparbeide kunnskap og erfaring fra etablering av prosjekter i Norge, samt å satse på forskning og utvikling. For nye gasskraftverk i Norge følger det av regjeringas politiske plattform at regjeringa vil gi konsesjoner basert på CO2-håndtering fra oppstart. Norsk klimapolitikk er tuftet på grunnprinsippet om at forurenser betaler. Når regjeringa likevel bruker betydelige ressurser på utvikling av CO2-håndteringsteknologi på Mongstad, innebærer dette en erkjennelse av at myndighetene må bidra i utviklingen av ny teknologi i en tidlig fase. Det pågår et omfattende arbeid med å utvikle og legge til rette for løsninger for fangst, transport og lagring av CO2 i Norge. Som Stortinget er vel kjent med, er det i statsbudsjettet for 2011 bevilget nesten 2,7 mrd. kr til CO2-håndtering. Det omfatter arbeidet med prosjektene på Mongstad, forskning teknologiutvikling, internasjonalt arbeid med CO2-håndtering, Gassnova SFs arbeid og ekstern bistand knyttet til kvalitetssikring og juridiske problemstillinger. Teknologier for CO2-fangst fra kraftproduksjon er fortsatt uprøvd i større skala, Realisering av slike prosjekter er teknisk komplekst og kostnadskrevende. Sjøl om byggearbeidet er i full gang på teknologisenteret og planlegging av fullskala fangst pågår på Mongstad, er den konkrete satsinga fremdeles i en innledende fase. Det er således viktig å kunne dra nytte av de konkrete erfaringene fra den eksisterende satsinga på Mongstad. I tillegg til arbeidet her vil kunnskap og erfaring fra transport- og lagringsarbeidet, og fra CLIMITs satsing på forskning og utvikling av fangstteknologi, utgjøre basisen for det videre arbeidet med CO2-håndtering i Norge. Det blir åpnet for replikkordskifte. replikkordskifte. Det er tydeleg at det er mange som no held nøye auge med vassmagasingraden i Midt-Noreg, og ein av representantane beskreiv det som 29,9. No har ein begynt å leggje vekt på det som er bak komma òg. Det seier veldig mykje om knappleiken i

viktig i det nordiske kraftmarkedet. Det samme er det å kunne importere, som vi har gjort så langt i år, og også mye i fjor. Så svaret er at været er viktig, men energipolitikken krever mye mer enn det. det. Statsråden var i sitt innlegg inne på Industrikraft Midt-Norge på Skogn, som har konsesjon uten rensing, men som så langt, iallfall, har valgt ikke å realisere sitt prosjekt. Det er imidlertid slik at det er et godt prosjekt, sett fra Høyres ståsted, som Industrikraft Møre og Siemens har stått sammen om. De ønsker å bygge et fullskala gasskraftverk med rensing til ca. 5 mrd. kr. Mitt spørsmål til statsråden er om dette egentlig ikke måtte kunne ses på som en gavepakke til regjeringen, når Mongstad-prosjektet sannsynligvis vil ende opp med en regning som kanskje er opp mot fem ganger dyrere, og vil trekke ut i tid. Hvorfor valgte ikke regjeringen å se på den muligheten som Industrikraft Møre og Siemens sammen kunne presentere for regjeringen i spørsmålet om rensing? Som jeg sa i mitt innlegg, tror jeg vi skal erkjenne at teknologiutviklingen på området CO2-håndtering er i en tidlig fase. Det betyr også at det vi har sett så langt når det gjelder kostnader, har det vist i beste fall kunne bruke ordet «dynamisk» om. Vi har sett det på teknologisenteret på Mongstad, og vi har sett det i planleggingen av fullskalaanlegg på Mongstad, at det er mye læring underveis. En ser også at kostnadene har økt underveis i prosjektet. Jeg tror vi må ha den erkjennelsen med oss også i omtalen av andre prosjekter som er kommet mye kortere, at vi nok vil se en viss dynamikk, også på kostnadssiden, etter hvert som prosjektene blir mer utviklet. Når det er sagt, er jeg opptatt av at vi skal ha gode prosjekter på fangst og lagring i Norge. Jo flere, jo bedre, hvis det kan håndteres økonomisk. I den stortingsmeldingen som jeg nå jobber med knyttet til dette, vil dette bli tatt opp. Jeg opplevde statsrådens innlegg som et forsøk på å snevre inn debatten. Han nevner Industrikraft Midt-Norge, og at det

Det er altså ikke slik at det ikke er lønnsomt å drive gasskraftverk i Norge, men plassering og infrastruktur rundt har veldig mye med dette å gjøre. Regjeringen har ikke løftet en finger for å hjelpe til med infrastrukturen i Industrikraft Midt-Norge. Statsråden bør således se seg selv i speilet før han sier at gasskraftverk ikke har noe poeng. Når det gjelder Mongstad, minner jeg om at denne regjeringen selv har utsatt renseteknologien der. der. Da er det urimelig å kreve at andre bedrifter skal kunne komme fram med en renseteknologi, når regjeringen selv innrømmer at dette utsettes. Jeg vil derfor følge opp representanten Melings tilnærming: Hvordan tror statsråden at Industrikraft Møre skal kunne innfri sine forpliktelser, når statsråden selv mener det ikke er mulig med den teknologien på Mongstad på – i hvert fall – åtte år?

Mellom linjene leser jeg at statsråden synes å ha lav tillit til kalkylene til et stort, verdensomspennende konsern som Siemens er. Kan statsråden bekrefte at tilliten er lav til dette selskapet når det gjelder teknologi og kostnader? I tillegg er vi også nysgjerrige på når statsråden har tenkt å komme til Stortinget med en redegjørelse om eller gjennomgang av det som faktisk er status og videre planer på Mongstad når det gjelder rensing. Svaret på det siste er at jeg ønsker å komme raskt til Stortinget med det. Jeg skal få det fram til Stortinget, i tråd med det som er sagt i tidligere dokumenter, relativt tidlig i det nye året, som det ble sagt på slutten av det forrige. Det vil bli gjort. Stortinget skal få all mulighet til å diskutere dette på brei basis, og det mener jeg er viktig, for for meg er dette store spørsmål som handler dels om energi, dels om klima. Summen av utfordringene innenfor disse områdene er helt på toppen av lista globalt over hva som må håndteres framover. Når det gjelder det første spørsmålet, er svaret nei, jeg har ikke lav tillit til disse selskapene. Det jeg gjorde, var kun å vise til den erfaringa vi har fra de prosjektene som er utviklet. Vi ser at det er mye teknologiutvikling som foregår underveis i prosessen.

Senterpartiets representant Knut Magnus Olsen sa bl.a. at gasskraft uten rensing er et stort tilbakeskritt for miljøet. Hvis statsråden deler Olsens syn og sier at svaret er ja, det er riktig, må jeg spørre: Hva akter statsråden å gjøre umiddelbart for at norske gasskraftverk skal stoppe å ødelegge miljøet? Det verste man kan gjøre, er å ha gasskraftverk. Det ødelegger miljøet. Kan vi gjøre noe med dagens tre–fire norske verk, så ikke miljøet blir skadelidende av dette? Ja, vi bruker i 2011 2,7 mrd. kr på å gjøre noe med det. Norge er verdensledende når det gjelder å få på plass teknologi for å rense utslipp fra gasskraftverk. Dermed er replikkordskiftet omme. De talerne som heretter får ordet, har en taletid på inntil minutter. Industrikraft Møre har fått energikonsesjon av NVE, basert på regjeringa si politiske plattform, som legg opp til at gasskraftkonsesjonar skal basere seg på reinsing og deponering av CO2 ved oppstart. Dette er i utgangspunktet vel og bra, men det er òg slik at her bør ein gå inn og sjå på kva som gir dei rette incitamenta til eit framtidig mål om at slike prosjekt skal nå målet om å vere fri for forureining gjennom reinsing og deponering. Så er det også slik i dag at det er ikkje nokon formelle krav verken i konsesjonsregelverket eller i energilova når det gjeld utsleppsløyve etter forureiningslova om at gasskraftverk skal byggjast med CO2-reinsing. Men i Soria Moria-erklæringa legg regjeringspartane til grunn at det skal reinsast og deponerast CO2 frå dag éin, og Miljøverndepartementet gir ikkje utsleppsløyve som ein og Miljøverndepartementet gir ikkje utsleppsløyve som ein konsekvens av dette. Dersom ein legg til grunn Stortinget sitt vedtak, på bakgrunn av Innst. S. nr. 122 for 1999–2000, om at det ikkje skal stillast strengare utsleppskrav for klimagassar enn det som er vanleg for gasskraftprodusentar i andre EØS-land, slik Framstegspartiet legg opp til, vil gasskraftverk i Noreg vere underlagde det felles europeiske kvotesystemet for utslepp av og må kjøpe kvotar i dette tilsvarande sine utslepp. Utslepp av CO2 frå gasskraftverk i Noreg vil derfor ikkje påverke det samla utsleppet av CO2 frå EØS-området. Vidare er det òg einigheit om at auka bruk av gass til kraftproduksjon i global samanheng fører til reduserte utslepp av klimagassar. Vi er ein del av den straummarknaden som importerer straum frå den europeiske og den russiske marknaden, og basis for dette er ofte brunkol

og staten bidreg til utvikling av fangstteknologi for CO2. Teknologi for fangst av CO2 frå gasskraftverk er framleis ein umoden teknologi, som mange har vore inne på, og ein må kunne vente at dei første fangstanlegga vil ha kostnader som langt vil overstige kvoteprisen i den europeiske kvotemarknaden. Både denne og neste debatt er vi nødt til å se i en sammenheng. Det

sak. Norge hadde i fjor en nettoimport av strøm for å kunne klare seg – i overkant av 7,5 TWh, muligens mer. Når man fra norske myndigheters side reiser rundt i verden, og særlig Europa, og reklamerer for norsk gass, ja, til og med når man åpner norskeide gasskraftverk i Tyskland, skryter man nettopp av at det er miljøvennlig norsk gass som man skal bruke, og som skal komme til erstatning Ja, det vil den faktisk også være i Norge – den vil være til erstatning for annen kraftproduksjon, gjerne fra kull og andre kilder, hvis vi i Norge tillater gasskraftverk uten rensing fra første dag. Så lenge vi har en kraftimport, en nettoimport, til Norge, vil disse bl.a. kunne komme importen. Videre, hvis vi henviser til Industrikraft Møres ønske om å starte et anlegg i Møre og Romsdal, er det der flere ting man kunne sett på. En av dem er muligens å kunne erstatte en del av den produksjonen som skjer ute på plattformene, der det spys rett ut til en lavere tilvirkningsgrad enn en ville kunne fått ved et landanlegg. Man kunne også fått et anlegg der man kunne videreutviklet renseteknologi underveis i prosessen, men på grunn av de rigide konsesjonsvilkårene som stilles fra norske myndigheters side, er nå dette prosjektet foreløpig lagt på is. Det prosjektet som er lagt på is, er faktisk et av de prosjektene en rekke miljøer i Norge har sagt bør være en prototype på den type anlegg som vi bør prøve å få i gang i Norge. Det er også helt åpenbart at det er et samsvar mellom det at vi sier nei til denne type kraftproduksjon, og det at vi faktisk ser at vannmagasinene blir svært redusert, nettopp fordi man ikke får en alternativ produksjon som gjør at man kan holde igjen fra vannmagasinene for å få den tryggheten. Det er jo det store batteriet vi snakker om, som vi kanskje skal være for Europa. Når vi faktisk har muligheten til å være det i vårt eget land,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

vedtatt. I vinter, som i fjor, har det vært mye diskusjon om kraftsituasjonen. Vi har en anstrengt situasjon i kraftmarkedet med lav magasinfylling og lave temperaturer. I begynnelsen av vinteren har vi fått meget høye priser. I store deler av vinteren har Midt-Norge så langt hatt høyere kraftpriser enn resten av landet. I deler av Norge, særlig Midt-Norge, er det mangel på kraft. Dette er en situasjon som vi i Arbeiderpartiet og regjeringen tar meget alvorlig. Slik samfunnet er i dag, er kraft en nødvendig forutsetning for nesten all virksomhet, både for industrien og hjemme hos folk. Arbeiderpartiets og regjeringens politikk for å få stabile og like priser på For det første må vi produsere mer kraft. For det andre må vi bygge flere overføringsledninger for å skape en jevn kraftflyt over hele landet og unngå flaskehalser i nettet. For det tredje må vi satse på enøktiltak, både i industrien og ikke minst også i husholdningene. For Arbeiderpartiet og de rød-grønne er det viktig at vi løser disse utfordringene innenfor rammene av klimaforliket, slik at vi ivaretar behovet som folk og industri har til kraft. Med denne regjeringen er det gjennom Enova-støtte og nye vannkraftkonsesjoner lagt grunnlag for utbygginger og energitiltak på nesten 12 TWh. Det er ganske mye. Det tilsvarer ca. 18 Alta-kraftverk eller strøm nok til over en halv million husstander. Etter at den rød-grønne regjeringen kom inn i regjeringskontorene, har vi fått til bl.a. følgende: en dobling av størrelsen på konsesjoner til vindkraft og vannkraft en dobling av vannkraften satt i produksjon en firedobling i fjernvarmeinnsatsen en tredobling av energieffektivisering i industrien Jeg er også veldig fornøyd med at vi nå har fått på plass en avtale med Sverige om Avtalen med Sverige om grønne sertifikater vil gi til sammen over 26 TWh ny fornybar kraft i Norge og Sverige – 13 TWh i Norge. Dette er store tall. Avtalen legger grunnlaget for en storstilt satsing på framtidens energikilder. vil også komme Midt-Norge til gode. Denne regjeringen tar viktige grep for å bedre kraftsituasjonen i Norge. Regjeringen har i tillegg til innsatsen på støttesiden for ny produksjon doblet saksbehandlingskapasiteten i NVE, slik at flere kraftutbygginger kan realiseres så raskt som mulig. Det er viktig å legge til rette for ny kraftproduksjon. For at denne kraften skal komme forbrukerne til gode, må vi er viktig å legge til rette for ny kraftproduksjon. For at denne kraften skal komme forbrukerne til gode, må vi bygge ut og styrke kraftnettet i Norge. Det er regjeringen i full gang med. Jeg viser til brevet fra statsråden til energi- og miljøkomiteen, 15. desember 2010. Her slår statsråden bl.a. fast: «Det er i regi av Statnett gjennomført omfattende investeringer idriftsatt en rekke nettanlegg som skal bidra til å holde spenningen i kraftnettet innenfor akseptable grenser . Det viktigste tiltaket i det siste året er idriftsettelsen av overføringsforbindelsen Nea – Järpstrømmen. Dette tiltaket for å bedre kraftsituasjonen i har videre i tillegg til nettinvesteringer satt i verk tiltak for å sikre strømforsyningen i utsatte områder før nye ledninger er på plass, ut fra en risiko for nye kalde og tørre vintre. Blant tiltakene er økt bruk av energiopsjoner i forbruk, innsigelser mot tilknytning av nytt forbruk i utsatte områder og økt beredskap for å utbedre feil i overføringsnettet. I tillegg vil NordPool nå innføre nye regler som innebærer at produsenter og netteiere må gi bedre informasjon om forventet varighet for kapasitet som er ute av drift.» Jeg vil understreke viktigheten av at vi får på plass linjen fra Ørskog til Sogndal. Dette vil også bedre situasjonen betraktelig i Hendelsen i Nord-Norge i forrige uke viser klart at det er behov for å styrke kraftnettet i Norge i tråd med Statnetts nettutviklingsplan og den vedtatte kabelstrategien. Jeg har merket meg at det er enkelte i denne salen som ønsker å innføre den tilstanden vi nå har i Trøndelagsområdet, i Bergensområdet. Gjennom å legge opp til å bruke mer tid på

Arbeiderpartiet tar kraftsituasjonen i Midt-Norge veldig alvorlig. Vi jobber kontinuerlig med å få på plass mer kraftproduksjon, et bedre kraftnett og en styrking av enøkarbeidet. Vi ønsker en så lik pris på strøm som mulig i hele Norge. Til slutt vil jeg ta opp forslaget fra regjeringspartiene om at forslaget vedlegges protokollen. Representanten Tor-Arne Strøm har da tatt opp det forslag han refererte til. Kalde vintre og lite vann i magasinene har resultert i at kraftsituasjonen særlig i Midt-Norge er

av elektrisk kraft, har også hatt problemer i år. Den anstrengte kraftsituasjonen i Midt-Norge er ikke ny. Regjeringen har hele tiden siden 2005 vært klar over at kraftsituasjonen i Midt-Norge lett kan bli prekær når vintrene er kalde og lange. Halvfulle vannmagasiner og kalde vintre kan ikke regjeringen lastes for. Det regjeringen derimot kan lastes og kritiseres for, er at den ikke satte i gang med tiltak allerede i 2005.

2011. I dag sier regjeringen i 2015. Regjeringen lovte også i 2006 at en handlingsplan for kraftforsyningen skulle være klar høsten 2006. Fire og et halvt år senere er denne planen ikke presentert, og det er en sterkt medvirkende årsak til at dette representantforslaget ble fremmet. Fremskrittspartiet har ved flere anledninger bedt om en helhetlig energiplan, som også ville dekke kraftsituasjonen i Midt-Norge. Olje- og energiministeren har tidligere avvist slike planer som tidkrevende og byråkratiske. I stedet griper regjeringen fatt i viktige prosjekter. Når det gjelder kraftsituasjonen i Midt-Norge, er det vanskelig å se at regjeringen virkelig har tatt grep her. Uten en dekkende plan med tiltak og tidsfrister for forbedring av kraftsituasjonen er det vanskelig å se at problemene kan løses innen rimelig tid. På flere landsdekkende områder, som bl.a. energi, industri og kommunikasjon, vegrer regjeringen seg for å lage planer. Regjeringen har avvist plankravene med at alt er under kontroll, og er det allerede nok av. I brev av 15. desember 2010 skriver olje- og energiministeren at hovedelementene i regjeringens politikk for å bedre strømforsyningen i Midt-Norge har vært tiltak i regi av Statnett og satsingen på fornybar energi og energiomlegging. Sett i lys av den kraftsituasjonen som Midt-Norge har opplevd i 2011, er det klart at at regjeringens tiltak ikke har vært gode nok. Alle de tiltakene som saksordføreren nevnte, er bra tiltak, men det er tydelig at de ennå ikke har fått noen virkning. Det må en håpe de får snart. Den nye kraftledningen Ørskog–Fardal vil ikke være på plass før i 2015. Småkraftutbygging har lidd under de rød-grønnes løftebrudd om tilskudd fra 2004 og fram til september 2009. De fleste venter vel til 1. januar 2012 for å se om de grønne sertifikatene blir gjennomført som lovt. Likeens har flere nevnt at saksbehandlingen hos NVE har vært en flaskehals i andre saker. Fremskrittspartiet har sammen med andre opposisjonspartier pekt på at Industrikraft Møre måtte få statlig hjelp til å bygge et integrert CO2-renseanlegg sammen med det planlagte gasskraftverket. Det er også nevnt av flere. Leverandøren, Siemens, hevder at et integrert anlegg kan bygges for 3 mrd. kr. For regjeringen er alt annet enn gasskraftverk på Mongstad uaktuelt, selv om et planlagt gasskraftverk i Elnesvågen vil avhjelpe den kritiske kraftsituasjonen i Midt-Norge. Som et strakstiltak burde også de to mobile gasskraftverkene kunne vært oppstartet i vinter. Regjeringen er bedre til å snakke om tiltak for å forbedre kraftsituasjonen i Midt-Norge enn det som vises i virkeligheten. og Fremskrittspartiet er komiteens tilråding til Stortinget. Dette blir dessverre nedstemt av Stortingets flertall.

er det svært truleg at vi ikkje hadde hatt den kaotiske situasjonen vi ser i dag. Det er svært beklageleg at det framleis ikkje er lagt fram ei slik sak for Stortinget. I Midt-Noreg er det i dag stort behov for å styrkje overføringssambandet både frå andre delar av landet og frå Sverige. Det er også eit stort behov for å styrkje den regionale kraftproduksjonen både frå gasskraftverk og frå fornybare energikjelder. Det er ei kjend sak at det planlagde sambandet mellom Ørskog og Fardal har av sterk lokal motstand mot den nye linja og lang saksbehandlingstid i regjeringa. Hadde regjeringa følgt råda frå Høgre og andre parti om ein betre nettpolitikk, med større vilje til å bruke kabling som avbøtande tiltak, kunne det vore spart mykje tid. I 2006 lova dåverande olje- og energiminister, Odd Roger Enoksen, at det nye sambandet skulle vere på plass innan 2011. No seier regjeringa at det tidlegast vil vere på plass i 2015. Det betyr at befolkninga i Midt-Noreg må belage seg på endå fleire vintrar med skyhøge straumprisar. Ein viktig faktor for å sikre tilgangen på kraft i Trøndelag og Møre og Romsdal er større regional kraftproduksjon. Industrikraft Møre i Elnesvågen er eit godt eksempel på korleis kortreist straum kunne avhjelpe situasjonen med stort kraftunderskot i regionen. Det er ufatteleg å ha vore vitne til korleis denne regjeringa slår beina under ei slik spennande og framtidsretta satsing på energiproduksjon i eit underskotsområde som Midt-Noreg. Regjeringa har sagt nei til nye gasskraftverk i Midt-Noreg utan CO2-reinsing, på same tid som ein ikkje vil finansiere kostnadene som ei slik reinsing medfører. Det er eit godt eksempel på at den raud-grøne regjeringa gjev med den eine handa

ved professor Jørgen Randers, har også lansert tanken om å flytte prosjektet for fullskala fangst og lagring av CO2 frå gasskraftverket på Mongstad til eit nytt prosjekt. Dei peiker også på at eit aktuelt alternativ vil vere Industrikraft Møre sine planar for eit gasskraftverk i Elnesvågen. Industrikraft Møre søkte 1. desember 2006 om anleggskonsesjon etter reglane i energilova. Søknaden vart avslått av NVE 5. mars 2008. NVE innrømmer i avslaget at kraftverket vil kunne betre den regionale og nasjonale forsyningstryggleiken. Den 8. april 2008 klaga Industrikraft Møre NVE sitt avslag inn for Olje- og energidepartementet. OED gav den 20. august 2009 Industrikraft Møre medhald i klaga på NVE sitt vedtak om avslag på energikonsesjon. Konsesjonen føreset CO2-handtering frå dag éin. I desember 2010 la Industrikraft Møre i samarbeid med Siemens fram ei løysing for OED for gasskraftverk med integrert CO2-fangst. Tilbodet frå Siemens er på ca. 5 mrd. kr. Kostnadene for reinseanlegget er anslått til 2 mrd. kr. Det er verd å merke seg at regjeringa anslår dei samla investeringskostnadene for fullskala fangst og lagring av til om lag 20–25 mrd. kr. Det er stor forskjell på ein pris på 25 mrd. kr og 5 mrd. kr. I ei pressemelding frå Industrikraft Møre frå 22. februar i år blir det kunngjort: «På bakgrunn av negative tilbakemeldinger fra myndighetene, har styret i Industrikraft Møre besluttet å legge videre arbeide for et gasskraftverk med produksjon av Kortreist kraft i Fræna på is.» Eg skulle ønskje at vi kunne leggje denne regjeringa på is, slik at vi kunne få løyst både utfordringane med Kortreist kraft i Trøndelag og Møre og Romsdal, og på same tid få prøvd ut det første fullskala anlegget for CO2-reinsing i Noreg. Det ville også vere det raskaste bidraget for å løyse utfordringane med kraftunderskot i regionen. Så vil eg tilrå innstillinga frå fleirtalet i komiteen. Først vil jeg bare gi uttrykk for at jeg har

Så vil jeg bruke dette innlegget til å snakke om Trondheim SmartCity. Trondheim SmartCity er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune, Siemens og Bellona som skal bidra til at Trondheim blir en smartere by når det gjelder energibruk, og det er jo et perspektiv man kan ha med seg når man snakker om kraftsituasjonen og forholdene i Midt-Norge. Jeg tillater meg å referere fra en rapport som er laget, Energieffektivisering, og som ser slik ut. Der står det i en oppsummering: «Norge oppnår ikke sine klimaforpliktelser uten ny teknologi. I Energieffektiviseringsrapporten fra 2007, utarbeidet av Bellona og Siemens, ble det påvist at Norge kan frigjøre energi tilsvarende 20 prosent av strømforbruket, men likevel skjer det det gode eksempelet på at det er mulig å ta ut effektiviseringspotensialet. Derfor har Trondheim kommune bestemt seg for å statuere et. Ved å ta i bruk energieffektiv teknologi kan Trondheim redusere det stasjonære energiforbruket med 22 prosent. Store mengder energi kan dermed frigjøres ved å ta i bruk moderne teknologi som er tilgjengelig allerede i dag, mengder energi kan dermed frigjøres ved å ta i bruk moderne teknologi som er tilgjengelig allerede i dag, og energieffektiviseringen kan gjennomføres uten at det går utover innbyggernes levestandard eller komfort.» Det er altså konklusjonen i denne rapporten, og det forundrer meg at ikke mange har satt i gang med tilsvarende prosjekt allerede. Det høres nesten for godt ut til å være sant, men denne energieffektiviseringa kan altså oppnås uten redusert levestandard, og man kan faktisk i dag gå ut og handle løsninger i butikken hvis man har et kraftselskap som kan lese timemålinger når det gjelder forbruket. Så er det sånn at det er laget en plan fra regjeringa om automatisk strømmåling, som vil være til stor hjelp i pst. av forbrukerne i regionen skal altså ha denne strømmålinga innen utgangen av 2013. For resten av landet skal det framskyndes, sånn at AMS-måling blir flyttet fra 2018 til 2016. Jeg syns dette er noe å tenke på, jf. de problemene som regionen har, og det vil gi oss bedre tid til andre viktige

Sunndalsøra og idriftsettelsen av Ormen Lange. Siden regjeringen tiltrådte i 2005, har vi iverksatt en rekke omfattende tiltak for å bedre situasjonen. Klimautfordringene og de nasjonale forpliktelsene for reduserte utslipp må ligge i bunnen for videreutvikling av energipolitikken. Den må bygge på økt foredling av fornybare ressurser og Samtidig er bedret overføringskapasitet helt sentralt for å komme i mål. Senterpartiets mål er tilstrekkelig kraftproduksjon, forsyningssikkerhet og like kraftpriser i hele landet. Kraftsituasjonen i Midt-Norge er en kompleks utfordring. Den henger sammen med vær og nedbør, kraftproduksjon og kraftflyt fra Sverige, økonomisk vekst, energipriser, utvikling i næringsstruktur og energieffektivisering. Derfor trengs det en rekke forskjellige tiltak for å møte den. Regjeringen har de siste årene tatt flere viktige grep for økt forsyningssikkerhet og energiproduksjon. I tillegg fokuserer vi på avbøtende tiltak for dem som rammes hardest. Derfor er bostøtten økt, og derfor mener vi at avbøtende tiltak, som betalingsutsettelse ved høy strømpris, bør fortsette. Men samtidig må målet være at vi ikke lenger har behov for avbøtende tiltak. Derfor må vi vektlegge utbygging av fornybar energi og økt forsyningssikkerhet. Vi vil gjennomgå rammevilkårene for nedtapping av kraftmagasinene. Vi vil at regjeringen i den nye avtalen med Enova vurderer å endre formålet til også å gi mulighet til styrking av forsyningsbalansen i områder med en anstrengt kraftsituasjon. Og hvis olje- og gassnæringen skal utvide produksjonen i underskuddsår, skal de bidra med finansiering av utbyggingskostnader samt mer produksjon inn på nettet. Det er gjennomført store investeringer i regi av Statnett, og enda mer er planlagt. Importkapasiteten er bedret. I tillegg er det iverksatt tiltak for å bedre situasjonen i utsatte områder før nye strømledninger er på

Det økte underskuddet kombinert med begrenset overføringskapasitet inn til området har ført til stor bekymring omkring forsyningssikkerheten i regionen. Midt-Norge er skilt ut som et eget prisområde for strøm og har i perioder også opplevd dobbelt så høye strømpriser som i Sør-Norge. Ved inngangen til 2011 har vi opplevd en kraftsituasjon i Norge som er mer alvorlig enn på lang tid. Den kalde vinteren vi er inne i, kan gi Norge en enda mer utfordrende kraftsituasjon enn det vi har opplevd så langt. Lite nedbør, høyt strømforbruk og vannmagasiner som aldri fikk hentet seg inn igjen etter forrige vinter, er ifølge Statnett hovedårsaken til dagens

skyldes det det rød-grønne flertallets politikk de siste fem årene. Flere av de viktigste langsiktige tiltakene som har blitt diskutert, har enten blitt kraftig utsatt eller blitt liggende i mange år. Grønne sertifikater kjenner vi historien til. De skulle vært på plass 1. januar 2006, men vil først være på plass 1. januar 2012. To påfølgende vintersesonger med anstrengt kraftsituasjon og høye strømpriser påkaller politisk handlekraft. Kristelig Folkeparti mener at det er de langsiktige tiltakene som vil løse den situasjonen vi står oppe i. Først og fremst må det bygges ut mer fornybar kraft-produksjon. Det må bygges nye kraftlinjer som tar ut de flaskehalsene som vi har i overføringsnettet. Og det må satses sterkere på energieffektivisering i bygg. Kristelig Folkeparti mener også at regjeringen i lys av alle utsettelsene på Mongstad bør åpne for å ta regningen for CO2-rensing av et nytt gasskraftverk i Midt-Norge, forutsatt at kravet om rensing fra dag én står fast. Et nytt gasskraftverk med full rensing i Midt-Norge vil bidra til ny kraftproduksjon i en region som sårt trenger det. Man kan lese på NRK Møre og Romsdals nettsider at Arbeiderpartiets gruppeleder i fylkestinget mener den manglende støtten fra myndighetene gjør at Industrikraft Møres planer om gasskraftverk i Elnesvågen nå blir lagt på is. Han sier: «Dette er først og fremst en fallitterklæring på vår selvpålagte dobbeltmoral når det gjelder bruk av gass.» Videre: «Jeg tror ikke en skjønner hvor stort dette tilbakeslaget er. Ormen Lange går nå inn i en fase der en trenger mye mer elektrisk energi enn det en har i dag. Den energien finnes ikke i dag. Her hadde vi en mulighet. Å stable på beina den energien vi trenger på en alternativ måte blir ikke enkelt, sier Aasen.» I denne debatten – og jeg tror vi har hatt den de siste seks årene – har vi hele tiden vist til at oppstart av Ormen Lange Fase 1 kanskje er årsaken til noe av den utfordringen vi står overfor i dag. Da er det viktig at vi lærer noe av den historien som skjedde tidlig på 2000-tallet – at vi tar lærdom, og at vi også legger til rette for nok energi i denne regionen, slik at Ormen Lange Fase 2 eventuelt kan starte opp, og at også andre industriprosjekter kan starte opp i området, men at det skjer gjennom en fornybar energikilde eller rensing av
Jeg viser til mitt brev til Stortinget med min vurdering av denne saken. Jeg vil innlede med å minne kort om sakens forhistorie. Kraftsituasjonen i Midt-Norge ble kraftig forverret først på 2000-tallet som en følge av sterk vekst i etterspørselen etter kraft i regionen. Dette var særlig knyttet til utvidelsene av aluminiumsfabrikken på Sunndalsøra og idriftsettelsen av Ormen Lange. Den daværende regjeringa gjennomførte i liten grad tiltak som kunne motvirke konsekvensene for situasjonen i kraftmarkedet av denne sterke forbruksøkningen. Representantene mener at denne regjeringa har vært passiv når det gjelder å møte den utfordrende kraftsituasjonen i Midt-Norge. Jeg mener det ikke stemmer. Jeg mener regjeringa helt fra den tiltrådte, har tatt kraftsituasjonen i Midt-Norge på alvor, og at vi har gjennomført omfattende tiltak. I tillegg jobber vi med ytterligere tiltak. I denne perioden har vi jobbet etter en strategi med to hovedelementer. Det ene er tiltak i regi av Statnett, det andre er satsing på fornybarenergi og energiomlegging. Tiltak i regi av Statnett er det viktigste for å bedre kraftsituasjonen i regionen. Statnett har bl.a. gjennomført omfattende tiltak for å bedre nettkapasiteten inn i og innen regionen. Gjennom regjeringas store satsing på energiomleggingstiltak har også innsatsen i Midt-Norge økt sterkt. I perioden 2006–2009 ga vi konsesjon til tre ganger så mye vannkraft og konsesjon til to og en halv ganger så mye vindkraft som i perioden 2002–2005. Varmesatsingen gjennom Enova ble økt sterkt. Bare i 2008 og i 2009 fikk 36 varmeprosjekter i regionen støtte. Vi har holdt fullt trøkk også i det året som nå ligger bak oss, 2010. For å ta noen av de viktigste tiltakene i 2010: Overføringsforbindelsen til Sverige via Nea–Järpströmmen ble åpnet. Denne forbindelse har økt overføringskapasiteten inn til området betydelig. Vi snakker om oppimot 400 MW. Bare i 2010 ble det gitt endelig konsesjon til ti vannkraftverk. I tillegg har NVE gitt konsesjon til fire vindkraftverk. Minst åtte vannkraftverk ble satt i drift i regionen i denne tida. tida. Vindkraftprosjektet i Ytre Vikna fikk om lag 230 mill. kr. Biogassanlegget på Skogn fikk om lag 120 mill. kr i støtte. Et stort energieffektiviseringsprosjekt ved Norske Skog på samme sted ble ferdigstilt. Regjeringa la også fram en plan for hvordan vi skal holde oppe framdriften for realisering av overføringsforbindelsen Ørskog–Sogndal. Vi skal fortsatt holde trøkk på å bedre kraftsituasjonen i Statnett planlegger å investere for rundt 9 mrd. kr i regionen de neste ti åra. Det jobbes videre med Ørskog–Sogndal. En realisering av dette prosjektet vil bedre kraftsituasjonen vesentlig. En fortsatt satsing på Enova, og da en stor satsing, og etablering av et felles norsk-svensk sertifikatmarked legger i tillegg til rette for omfattende resultater på området. Så vil jeg også vise til at jeg i januar ba NVE legge fram forslag om å framskynde innføring av automatisk strømmåling, AMS, i Midt-Norge. Forslaget innebærer utvidet funksjonskrav til AMS og krav til nettselskapene om å legge til rette for at kunden og tjenesteleverandører kan ta i bruk dette virkemiddelet på en effektiv måte. I Midt-Norge skal nettselskapene ha installert AMS i minst 80 pst. av målepunktene innen

men det er tydelig at med den situasjonen som vi har hatt i år, og som vi hadde i fjor, har behovene ikke vært dekket. Så en må jo håpe at det går riktig vei, og at det blir tidsfrister for det som skal gjøres. Da vil jeg spørre statsråden: Når tenker han seg at problemene med kraftsituasjonen i Midt-Norge vil være løst, og at prisnivået nærmer seg landet for øvrig også for dette området? Når vil

innlegg. Så er jeg glad for at representanten også refererte til det jeg sjøl sa i mitt innlegg, at det er gjort mange ulike ting, det er mange tiltak som er satt i verk. Det er og blir kombinasjonen av tiltak på nettsiden, hvor altså Statnett er

Statsråden var inne på dette med intelligente straummålarar og innføringa av dei. Det er no gitt eit pålegg til Midt-Noreg om at det skal innførast tre–fire år tidlegare enn det som opphavleg var tenkt. Desse såkalla intelligente straummålarane skal jo ta opp forbrukssvingingane på ein slik måte at ein får ein hensiktsmessig bruk og derav eit lågare forbruk totalt. Så intensjonane i Men når det samtidig blir gitt ein dispensasjon i forhold til å innføre og leggje inn denne teknologien, handlar det på mange måtar mykje om, som eg beskreiv i eit spørsmål, at ein prakkar på forbrukarane eit produkt som ikkje er tidsmessig, og der teknologien ikkje er ferdig. Er det det dette representerer?

i tildelingsbrevet til NVE ba dem se på mulighetene for å finne ett område i Norge, primært et område med en utfordrende forsyningssituasjon, hvor vi innenfor de målene vi har for intelligente strømmålere, kunne sette i gang prosjektet tidligere enn i landet for øvrig. Det har jeg fått faglig gode tilbakemeldinger på er mulig å gjennomføre i Midt-Norge, og at vi får fordelene som AMS innebærer, sjøl om vi går noe raskere fram. Vi får også muligheten til å høste erfaringer fra Midt-Norge som vi kan ta med i landet for øvrig. For meg handler AMS om mye mer enn bare å kunne avlese strømmen fra nettselskapet. Vi er nødt til å få til en toveis kommunikasjon som har nettopp det intelligente

Det må vere pinleg for regjeringa å sjå at vi faktisk må ha ei ny regjering for å få fram eit så spennande og godt prosjekt. Mitt spørsmål til statsråden er: Ser statsråden at det kan kome nye signal som fører til at vi kan få ei ny handsaming av denne saka før vi får ei ny regjering i

Men når representanten Lødemel tar opp dette med ulike regjeringer, kan jeg ikke dy meg, for det var fantastisk å høre representanten Lødemel i sitt innlegg for noen minutter siden framheve at Høyre hadde fremmet krav om en handlingsplan i 2005–2006. I det øyeblikk Høyre går ut av regjeringskontorene, kommer altså kravet om en handlingsplan.

av energiproduserende tiltak som er det som er avgjørende for den situasjonen vi står oppe i nå. Derfor ønsker jeg å utfordre statsråden på hvor mye økt produksjon det har vært innenfor vann, vind, gass og fjernvarme – jeg tror det var disse fire konsesjonsområdene som statsråden ramset opp i Midt-Norge fra 2005 og fram til i dag, i 2011. Det siste skal jeg sørge for at representanten Hjemdal får et presist og godt svar på. Det kan vi gå gjennom tallene på. Jeg skal komme tilbake til det. Når det gjelder det med å prate ned viktigheten av å gi konsesjoner, er jeg litt overrasket. Nå har jeg i diverse runder i denne salen opp gjennom flere år fått høre at det som har skjedd de siste åra, har skyldtes konsesjoner som har blitt gitt fra regjeringer som har sittet før den rød-grønne regjeringa, underforstått: De viktige beslutningene ble tatt tidligere. Det vi nå har gjort, har bare vært å høste av konsesjoner som andre har gitt. Hvis det nå plutselig er slik at det ikke er viktig at det blir lagt til rette for at det kan bygges ut energiprosjekter videre framover, må det bety at i hvert fall deler av opposisjonen har snudd helt rundt i forhold til om det faktisk er det å legge til rette for eller om det er det å se prosjektene bli gjennomført som er det politiske håndverket. Jeg mener sjølsagt at det er en kombinasjon av av dette. Hvis vi nå ikke hadde fått økt konsesjonskapasiteten i forhold til hva det var tidligere, hadde vi ikke hatt sjanse til å nå de målene vi har innenfor fornybar energi. Replikkordskiftet er omme. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8. Etter ønske fra energi- og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

Jeg registrerer at Høyre og Fremskrittspartiet mener at mobile gasskraftverk, som utgjør 300 MW, vil være et effektfullt virkemiddel i forhold til å jevne ut pris. Vi mener ikke det. Bakgrunnen for det er selvfølgelig at Midt-Norge er en del av et felles nordisk marked, og dessuten er disse mobile gasskraftverkene rigget slik at produksjonskostnadene er svært høye.

De mobile gasskraftverkene er reservekraft i ordets rette forstand. Det er når ledningen er nede, når det er teknisk feil, når det er fare for at det går i svart, at disse er livbøyen vår. Jeg er opptatt av hva som vil skje hvis denne reservekraften allerede er tatt i bruk når situasjonen blir skikkelig kritisk. kritisk. Da snakker vi ikke kritisk i forhold til pris, men i forhold til at man rent faktisk ikke har tilgang på elektrisitet. Og det er jo grunnen til at vi mener at denne kraften må holdes utenfor det ordinære markedet. Det å bruke reservekraftverkene som prisregulerende virkemiddel når alt fungerer, når Midt-Norge er en del av det felles nordiske markedet, er og vil være symbolpolitikk, men det som gjør det enda verre, er jo at det vil være en symbolpolitikk som kan gjøre vondt verre. Det som er blitt gjort, og som forslagsstillerne selvfølgelig er godt kjent med, er at man har gitt midlertidig dispensasjon ved feil og vanskelige driftssituasjoner, og det kan bidra til at man hindrer Allikevel vil jo kraften fortsatt holdes utenom det ordinære markedet. Det mener vi er viktig for at dette skal fungere sånn som det er ment. Det skal være en sikkerhet dersom vi står i fare for at det rent faktisk skal gå i svart. Det er

Og det er ingenting som henger sammen i representanten Marthinsens argumentasjon – det er vel derfor hun forlot salen også nå. Hun hevder at å bruke de mobile gasskraftverkene svekker forsyningssikkerheten, men det var jo ingen forsøk på å gi en logisk sammenheng. Men det skal jeg prøve å gi: Hvis du øker produksjonen i et marked med 300 MW med gass, bruker du ikke mer vann. Og problemet i Midt-Norge er at det er for lite vann i magasinene, ikke for mye. Det betyr at i beste fall produserer du gasskraft inn i markedet, og du sparer tilsvarende 300 MW med vann. Det betyr at hvis situasjonen forverrer seg senere, har du mer vann i magasinene enn du ellers ville hatt. De mobile gasskraftverkene er ikke stearinlys. Det betyr at de brenner ikke opp, selv om du starter dem. En brenner opp gassen, men ikke turbinene. Det betyr at disse turbinene vil også være tilgjengelige om en linje faller ned. Det er ikke sånn at du dermed har 300 MW mindre om du har tatt dem i bruk tidligere. Du har fortsatt de 300 MW mer enn om de mobile gasskraftverkene ikke hadde blitt bygd. Men du har sannsynligvis mer vann i magasinene i tillegg, som du kan stappe inn i systemet om en linje faller ned. Det betyr altså at du har både 300 MW med mobile gasskraftverk og mer vann i magasinene som du kan pøse inn i systemet. Det er altså ingen logikk, som representanten Marthinsen forsøkte å late som, i at dette skal svekke forsyningssikkerheten. Gir det dyr strøm? Ja, i en debatt som Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen, var med i, hevdet han at han hadde sett beregninger som viste at dette var svært kostbart. Nå har riktignok energiministeren skrevet i brev til Fremskrittspartiet at disse beregningene er hemmelige. Og hvorfor en finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet får se beregninger som resten av Stortinget ikke får se, det får de rød-grønne selv svare for, men det handler jo litt om at informasjonspolicyen som vi har sett fra regjeringen tidligere, har vært svært svak, f.eks. i Men et enkelt regnestykke er jo bare å se på hva gass koster i dag, og hvilken virkningsgrad en har på dette. En ser at da vil dagens pris på strøm fra de mobile gasskraftverkene ligge rett i overkant av 50 øre/kWt. Det er ikke svært kostbart sammenlignet med det som veldig ofte har vært prisene i den regionen. Enkelte hevder at det å starte de mobile gasskraftverkene basert på pris er et inngrep i markedet som staten ikke skal gjøre. Ja, i så fall må en også si at Statnett ikke skal gå inn på forbrukssiden i markedet og be folk om å slutte å bruke strøm. Det er like mye et inngrep i markedet om en tukler med forbrukssiden som om en tukler med tilbudssiden. Men ved å si at Statnett på gitte kriterier skal kunne ta prissignal som en del av advarslene og sette i gang de mobile gasskraftverkene, har du en forutsigbarhet som må være åpen. Hvis en sier at hvis strømprisen f.eks. – dette er bare et eksempel, men det illustrerer poenget – er mer enn 150 pst. over normalen i et tidsrom, skal de mobile gasskraftverkene startes, vet alle i markedet at det er kriteriet for at de startes, og at de da vil være i drift en gitt periode før de stenges ned. Det er lett for et marked å forholde seg til. Det er derimot verre å forholde seg til hemmelige kontrakter som Statnett inngår med enkelte selskap om å stenge ned når Statnett selv finner det for godt. Så Statnett gjør allerede store inngrep i markedet, og de mobile gasskraftverkene vil ikke være noe nytt i så måte. Så vi har altså vist at de mobile gasskraftverkene ikke øker strømprisen, de endrer ikke markedsatferden, de brukes ikke opp, og de svekker ikke forsyningssikkerheten, sånn som regjeringspartiene hadde ønsket seg. De er et gode i en situasjon som er vanskelig. Fremskrittspartiet så aldri på dette som en primærløsning. Ingen må forstå meg dit hen. Men når regjeringen, når dagens regjering, mente det var fornuftig å bruke 2,5 mrd. kr på å bygge disse framfor å bruke 2,5 mrd. kr på å bygge fullskala gasskraftverk eller mer vannkraft eller mer vindkraft eller energisparing, eller en kombinasjon av det,

og vi har fra Høyres ståsted beklaget denne uheldige situasjonen på vegne av både industrikunder og husholdninger. Vi har videre beklaget at regjeringen ikke synes å ha tatt denne situasjonen på tilstrekkelig alvor i form av handlingsplan og tiltak. Høye strømpriser har fått mye oppmerksomhet både i i tillegg til at mange enkeltmennesker og familier er opptatt av denne problemstillingen. Dette er dårlig reklame for områder av landet med tanke på å tiltrekke seg både nye arbeidsplasser og økt bosetting. Siden det høye prisnivået skyldes manglende politiske grep når det gjelder både energiproduksjon og infrastruktur, er det beklagelig at ikke flere tiltak har vært satt inn på et tidligere tidspunkt for å unngå denne situasjonen. Vi er fra Høyres side opptatt av gode og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet. Dette må også gjelde for Midt-Norge. Heldigvis er det slik at svensk kjernekraftproduksjon har hatt en bedre regularitet og produksjonsevne denne vinteren

Dette er også intensjonen i det representantforslaget som vi nå har til behandling. De mobile gasskraftverkene har som kjent en høy forurensingsgrad og er i tillegg en kostbar kraftproduksjon. Høyre ser derfor frem til det tidspunktet da renseteknologi for gasskraftverk vil være kommersielt tilgjengelig. Vi venter derfor utålmodig på statsrådens redegjørelse om status og videre planer for månelandingsprosjektet på Mongstad, som olje- og energiministeren senest i dag ved behandlingen av en tidligere sak bekreftet skal komme til Stortinget relativt tidlig i dette året som vi nå er inne i. Høyre ønsker at regjeringen skal gå gjennom kriteriene for oppstart av de mobile gasskraftverkene på Aukra og Tjeldbergodden, med tanke på å utvide disse til også å gjelde perioder med unormalt høye strømpriser og melde tilbake til dette. Jeg tar på vegne av Høyre opp vårt forslag i denne saken. Samtidig vil jeg varsle at Høyre subsidiært vil støtte Fremskrittspartiets forslag. Representanten Siri A. Meling har tatt opp det forslaget hun refererte til.

kan det påvirke både produksjon og forbruk, og effekten kan derfor bli svært liten. Derfor er det nødvendig at reservekraftverkene kun er tilgjengelige i svært anstrengte kraftsituasjoner og utenfor det ordinære markedet. Vilkårene i konsesjonene er imidlertid endret slik at de lettere kan igangsettes for å motvirke tvangsmessig utkobling av forbruk. Det mener Senterpartiet var et godt De gode løsningene på utfordringene som ligger der, og som jeg snakket om tidligere i dag, er produksjon av ny fornybar kraft, satsing på nettutbygging og energieffektivisering. Der har vi som nevnt fått gjennom en rekke viktige tiltak, og vi arbeider med enda flere. Igangsetting av forurensende gasskraftverk i andre situasjoner enn ved stor fare for rasjonering, har begrenset effekt og fører til store og

Jeg er enig med representanten i at kraftsituasjonen og de kraftprisene vi har sett i vinter, er utfordrende for husholdninger og næringsliv. Det er ingen tvil om at prisene i desember var uakseptabelt høye, med variasjoner landsdelene imellom. Mitt mål er å få til en lik og forutsigbar strømpris i hele landet. Derfor må målet om en stabil kraftforsyning være sentral i energipolitikken. Statnetts reservekraftverk er en del av vår forsikring mot rasjonering av strøm. De utgjør energireserver til bruk i svært anstrengte kraftsituasjoner, hvor risikoen for rasjonering vurderes å være høy, dvs. minst 50 pst. De er således ikke et virkemiddel for å oppnå lavere strømpris. For å nå vårt mål om en varig forbedring av kraftsituasjonen og en lik og forutsigbar strømpris i hele landet trenger vi mer langsiktige tiltak, som nettutbygging, mer fornybar kraftproduksjon og energieffektivisering. Det framgår av anleggskonsesjonene til at det er en forutsetning for idriftsettelse at Statnett først benytter alle andre aktuelle virkemidler for å håndtere en eventuell SAKS-situasjon. Statnett vurderer bruk av reservekraftverkene fortløpende i lys av den aktuelle situasjonen, og de er klare til å starte verkene om situasjonen skulle tilsi det. Også utslippstillatelsene til kraftverkene forutsetter at andre virkemidler benyttes først. Reservekraftverkene er forurensende, og det ligger til grunn for utslippstillatelsen at anlegget vil kunne bli tatt i bruk om lag ett av 20 år. Å senke terskelen for igangsetting vil åpenbart gi økte utslipp! Bakgrunnen for at vi ga dispensasjon fra dette i forhold til det som tidligere er gjort, er at Midt-Norge er i en stram kraftsituasjon, og at situasjonen kan forverres utover vinteren. Også driften av kraftsystemet vil da kunne bli vanskelig. Statnett har også søkt om at samme dispensasjon innvilges for alle vintre fram til den planlagte kraftledningen mellom Ørskog og Sogndal idriftsettes. Søknad om dispensasjon for 2012 og fram til ledningen er idriftsatt er til behandling i departementet nå.

debatten, med så korte innlegg fra de fleste i regjeringspartiene. Som jeg var inne på i mitt innlegg, og som statsråden var inne på i sitt innlegg, sier regjeringen at en skal ta i bruk alle andre virkemidler før en vurderer å starte opp de mobile gasskraftverkene. Det betyr at industrien skal stoppe før gasskraften settes i gang. Det betyr altså at lavere industrivirksomhet er greit framfor økte CO2-utslipp, selv om de er marginalt økte. Synes statsråden virkelig at dette er god industripolitikk på vegne av nasjonen Norge? Også her velger representanten Solvik-Olsen å snu saken rundt. Problemstillingen er jo at det har vært inngått frivillige avtaler med industrivirksomheter som ut fra å gå inn på avtaler for å sikre at kapasiteten og sikkerheten i nettet blir opprettholdt. Det er ikke snakk om en politikk for å stenge ned bedrifter som ikke sjøl har gått inn på avtaler. Som jeg sa i mitt innlegg, er jo dette kraftverk som står klare til bruk for å unngå rasjonering og for å unngå en kritisk situasjon i nettet. Her må vi skille mellom hva som faktisk er avtalte rammer mellom bedrifter og Statnett, og å komme i en reell rasjoneringssituasjon. Statsråden må gjerne si at jeg snur situasjonen på hodet, men jeg refererer til fakta. Jeg er fullstendig klar over at de som blir bedt om å stenge ned, tjener penger på det. Jeg hadde sannsynligvis også heller satt meg i sofaen, hvis noen betalte meg bedre for det enn å gå på jobb. Det er ikke det jeg utfordrer regjeringen på. Jeg utfordrer den på om det er en fornuftig politikk på vegne av nasjonen at vi heller skal be industrien om å slutte å produsere varer og tjenester enn å ta i bruk en kraftproduksjon som faktisk gjør dem i stand til å videreføre sin normale drift. Vi som nasjon må jo anta at det er bedrifter som er lønnsomme, og som vi ønsker skal fungere. Men regjeringens skrekk for nasjonale CO2-utslipp – altså CO2-utslipp ved at en brenner norsk gass i Norge framfor å brenne den i England er det som gjør at en heller vil legge ned industrivirksomhet midlertidig, enn å videreføre industrivirksomheten og slippe ut CO2 i Norge. Er statsråden fornøyd med industripolitikken i dette? Det å ha opsjoner på utkjøp av forbruk er jo noe som blir brukt i hele Norge, noe som er en del av Statnetts politikk. Det mener jeg er en del av en ansvarlig politikk for å sørge for styrt nedtaking av effektnivået hvis behovet er der, for å unngå at vi – som vi f.eks. nå så en time i Nord-Norge – må ta ut abonnenter som ikke er varslet om det på samme måte. At det er en del av tiltakslisten til Statnett, mener jeg er riktig. Jeg mener at det hadde vært uansvarlig å ikke ha det på listen over hva som kan gjøres. Og så har vi i tillegg sagt at situasjonen i Midt-Norge ut fra beredskaps- og forsyningstenking er så alvorlig at vi må ha ett trinn til – vi må altså ha et tiltak til å benytte oss av. Det er gjort ved at vi, om alle andre tiltak ikke virker, kan starte opp en tilleggsproduksjon basert på

som gir mulighet for nettopp å sikre nettleveransen, ved at man gjennom avtaler tar ut den type produksjon. Det vi f.eks. ser på Vestlandet, er at en ikke har den type virksomhet, som da minsker fleksibiliteten. Og så er situasjonen sjølsagt den at jeg som energiminister ønsker å sørge for at vi har energi nok i Midt-Norge og i landet for øvrig som gjør at prisen er stabil og forutsigbar, og at også tilgangen på energi som sådan er til stede. At Midt-Norge er i en situasjon som vi ikke er komfortable med, tror jeg ikke vi trenger dagens debatt for å konkludere med. Jeg tror alle i denne salen er enige om at situasjonen i Midt-Norge ikke er slik som vi skulle ønske den var.

om statsråden har stilt seg selv spørsmålet om det er ting denne regjeringen, som har sittet med makten i seks år, kunne ha gjort på et tidligere tidspunkt for å unngå at vi så mange år etter første priskrise i regionen er oppe i det samme på ny. Kunne noe ha vært gjort tidligere? Ja, det er åpenbart at mye skulle ha vært gjort

også denne saken. Men tilbake til industripolitikken i dette. Statsråden prøver å bortforklare dette ved å vise til Nord-Norge-situasjonen. Jeg tror alle i denne salen er enige om at når alternativet er at systemet kollapser eller at noen industribedrifter stenger ned, så er det bedre at noen industribedrifter stenger ned. Ingen har hevdet det motsatte. Midt-Norge er derimot i en annen situasjon, for der kan en velge mellom å stenge ned industri eller starte et kraftverk, og for der kan en velge mellom å stenge ned industri eller starte et kraftverk, og der velger likevel regjeringen å stenge ned industrien framfor å starte opp kraftverket. Da har en gjort et politisk valg, som en ikke har i Nord-Norge. Mener statsråden at dette er fornuftig industripolitikk? Det er det jeg prøver å spørre om når det gjelder Midt-Norge, ikke alt mulig annet som en kan bortforklare? Det er ikke noen bortforklaring. Det som var mitt resonnement i stad at det som gjelder regimet Midt-Norge, er det nasjonale regimet som vi har å bruke knyttet til ulike tiltak som settes i verk når beredskapen tvinger det fram, og så har vi da et ekstratiltak i Midt-Norge. Vi har enda en skrue å skru på – vi har enda et tiltak å sette i verk. Jeg mener at det er riktig. Slik som situasjonen i Midt-Norge har vært nå, er jeg glad for at vi har muligheten til å gjøre enda mer der enn det vi gjør i landet for øvrig. Utover det mener jeg at den politikken vi har og den tiltakslista vi har, er en fornuftig framgangsmåte – en fornuftig prioritering å ta – ikke minst fordi vi har reservekraftverk i Midt-Norge som har en nødstrømsfunksjon som er der når alt annet har gått oss imot, når alt annet har sviktet, og vi har en beredskapssituasjon som er kritisk i området.

kjem som grunnlag i fleire konkrete punkt når det gjeld straumsituasjonen i Midt-Noreg. Høg pris, dårleg nettkapasitet og låg magasinfylling borgar alle for ekstraordinære tiltak på forsyningssida. Beredskapssjef Svein Rødal uttalte til media 4. februar i år: «Aldri nokon gong tidlegare har det vore så lite vatn i kraftmagasina på denne årstida som no. Om vi hadde fått ein lang-varig kuldeperiode i januar, kunne situasjonen lett ha vorte svært alvorleg.» Vi balanserer altså på slakk line når det gjeld straumforsyninga i Midt-Noreg. Det vi kan karakterisere som ordinært vintervêr eller storm med nedising kunne med andre ord ha ført til mørklagde heimar og nedstengde arbeidsplassar i Midt-Noreg. Dette er for svakt. Når det er investert milliardsummar i gasskraftverk i same Så kan ein hevde, som det har blitt gjort av fleire, at desse to mobile kraftverka ikkje gjer nokon forskjell når det gjeld pris eller magasinfylling, så ofte ein vil. Men det er positivt feil, og det blir ikkje rettare av at det blir gjenteke. Dersom desse kraftverka hadde blitt sette i gang tidlegare og erstatta eigenproduksjon i området, hadde dette spart betydelege mengder vatn, og sjølvforsyningsgraden hadde blitt betre. I ein slik situasjon med låge magasinfyllingar har vi sett eksempel på ekstremprisar, og Framstegspartiet er oppteke av effekten av reservekraftverka sin produksjonskapasitet, som vil kunne ha som effekt reduserte prisar. All tilgang på straum vil ha ein prisdempande verknad i ein marknad med mangel, uansett volum. Men regjeringa overlèt altså straummarknaden til gudane, nærmare bestemt vêrgudane, og vegrar seg for å nytte dei ressursane ein har, til å produsere straum, mens salet av same energibasen blir eksportert til England og kontinentet for straumproduksjon der. Dette er dobbeltmoralsk og uforståeleg for våre europeiske kundar, og etter kvart også for mange nordmenn og -kvinner. Gruppeleiaren i Arbeidarpartiet i Møre og Romsdal, Jon Aasen, kallar det ein skandale og dobbeltmoral, og det kan ein godt forstå no når energiregionen Møre har lagt ned sine sine planar for gasskraftverk som ein konsekvens av regjeringa sin politikk. Men det er også ein annan alvorleg sideeffekt av den manglande straumtilgangen. I Møre og Romsdal har ein eit prosjekt som heiter Ormen Lange, som bidreg kraftig til fellesøkonomien vår og til statens inntekter. Der har ein eit kompresjonsprosjekt på gang som vil bli sterkt lidande dersom ein ikkje klarer å skaffe nødvendig energi for å få opp planlagt gass frå desse reservoara som ligg i Ormen Lange-feltet. Men dei er avhengige av at ein aukar trykket. Det skal dette kompresjonsprosjektet bidra til, og det er det ikkje straum til i dag. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 9. Første taler er interpellanten, som er Ketil Solvik-Olsen, som har en taletid på inntil 10 minutter, og deretter statsråd Trond Giske, skal det

som foredler våre energiressurser på en god måte, som er viktig for sysselsetting og gir gode eksportinntekter. Jeg har besøkt mange av disse bedriftene, fra Lista i sør til Finnfjord i nord. Det er to hovedbudskap som generelt kommer fra de besøkene. Det ene er tilgangen på kraft til konkurransedyktige priser. Det andre er rammebetingelsene rundt De to temaene er veldig viktige. Selv om også lønnskostnader og andre ting betyr mye, så er det ting vi kan hente inn igjen gjennom god organisering – god effektivitet på bedriften. Men for å sikre konkurranseevnen for den kraftforedlende industrien, så er kraft, pris og CO2-betingelser vesentlig. Det er noe en politisk kan gjøre noe med. Kraftforedlende industri er primært

de har levert et industrikraftregime. Det er vel og bra. Jeg utfordrer ikke det i det hele tatt, og jeg tror det har nærmest enstemmig støtte i Stortinget. Problemet er bare at for det første er det industrikraftregimet ennå ikke fungerende og for det andre er det altfor smalt i forhold til behovene. Faktum er at industrien er mer eksponert i kraftmarkedet i dag enn den var da denne regjeringen overtok. Gjennom hjemfallssaken i Stortinget ble industrien fratatt muligheten til å eie vannkraft sånn som de gjorde før. Det å sikre kontroll med vannkraftressurser for dermed å sikre kontroll med kraftprisene er ikke lenger mulig. Å kunne eie en tredjedel av et vannkraftverk må skje på helt kommersielle vilkår. Du kan ikke sikre deg at du leverer den strømmen inn til egen bedrift. Den må ut i markedet. Den linken som dermed tradisjonelt har vært mellom industri og energi, er brutt av dagens regjering. Med et arbeiderparti i spissen er det egentlig et paradoks. I tillegg har denne regjeringen redusert utleieordningen. Tidligere var den mer eller mindre ubegrenset. Svartisen kraftverk, som var et samarbeid mellom Vattenfall og Nordland fylkeskommune, ville ikke vært mulig i dag.

konkurser. Store bedrifter som Hydro har også sagt at industrikraftregimet ikke betyr noe for solide selskaper. Det står sågar i industrikraftregimets forutsetninger at ordningen ikke skal kunne gis til selskaper som sliter økonomisk. Ergo: Det er de solide bedriftene som i utgangspunktet heller ikke trenger veldig mye støtte, som den ordningen er laget for. Dagens politikk gjør å bruke krefter på å se på nye vannkraftprosjekter, fordi de vet at de ikke får lov til å realisere dem. Dermed er vannkraft i stor grad spilt ut av hendene på industrien. Alternativ som gass, som er det eneste andre som kan gi volum nok med energi som en kan kontrollere, er i utgangspunktet en god løsning. Vi er en stor gassnasjon. Vi eksporterer gass nok til 200 gasskraftverk. Men også her setter regjeringen dessverre foten ned. Næringsministeren har selv vært i Qatar og var svært positiv til at Hydro åpnet et stort aluminiumsverk med integrert gasskraft der nede. Han var svært stolt. Men når Alcoa kommer til Norge og vil bygge et nærmest identisk opplegg – med en investeringsramme på 15 mrd. kr, 500 arbeidsplasser direkte og gjerne 300 på leverandørsiden basert på gass fra Snøhvit – så sier igjen regjeringen nei. Dette er blitt avvist av både parlamentarisk nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, og de rød-grønnes fraksjonsleder i energi- og miljøkomiteen, Eirin Sund. Det er altså greit for denne regjeringen om Alcoa bygger et aluminiumsverk f.eks. i Frankrike, kjøper LNG-gass fra Snøhvit og brenner det i Frankrike. Men det er fullstendig ugreit om Alcoa sender penger, arbeidsplasser, kapital til Norge, men også brenner gassen i Norge. Da ser en seg blind på det nasjonale CO2-regnskapet framfor å se på de globale effektene. Så har enkelte sagt at Alcoa bare må få til CO2-rensing, så kan de bygge i Norge. Ja, men da er det nok å se på Industrikraft Møre, som har kommet med et prosjekt, har konsesjon, krav om rensing, får samarbeid med Siemens om å bygge et gasskraftverk med integrert rensing. Men da også snur regjeringen ryggen og Industrikraft Møre har i dag klaget saken inn for ESA fordi de mener det er forskjellsbehandling. Det sier litt om hvordan de aktørene som faktisk prøver å innfri regjeringens politikk, også blir møtt, og hvordan de ikke blir jublet inn, men tvert imot avvist. Regjeringen stiller ikke opp med noen bidrag tilsvarende som på Mongstad. Regjeringen bidrar heller ikke med noen form for infrastruktur til å transportere CO2 fra et renset gasskraftverk. Det er ingen som kan forvente at den enkelte industribedrift, verken stor eller liten, vil ha kapitalbase til å bære prosjekter som staten må ta på Mongstad. Og konsekvensene er skrinleggelse. Det synes jeg er utfordringer som jeg håper næringsministeren vil gripe fatt i. jeg håper næringsministeren vil gripe fatt i. Jeg forventer ikke at næringsministeren her og nå vil si at problemene er løst, men jeg håper at han kan erkjenne, i motsetning til miljøvernministeren og energiministeren, at dette er problemstillinger som man ser på som uheldige for industrien. For det er et poeng, når industrien ønsker å etablere seg i Norge, når industrien ønsker å utvide sin virksomhet, at det altså er politiske vedtak som gjør det umulig – det er ikke mangel på kapital, det er ikke mangel på interesse for å utvikle råstoff, men det er den politiske aksepten for at det kan skje her hjemme. Har vi blitt så rike at vi ikke lenger bryr oss om de arbeidsplassene som ny industri kan gi oss? En annen side av dette er også at de industrimiljøene, de ingeniørmiljøene, som skal være med på å videreutvikle bedre miljøløsninger, bedre produksjonsløsninger, som bruker mindre energi, som har mindre utslipp, og som er mer lønnsomme, svekkes ved at man ikke får investere mer i Norge. Så det at regjeringen tror at de gjør miljøet en tjeneste med å si at man ikke skal få bygge industri med CO2-utslipp i Norge, medfører bare at den kapitalen går andre steder, for det er etterspørselen etter aluminium som gjør at Alcoa vil investere i Norge. Den blir jo ikke lavere

mens arbeiderne på Karmøy i dag er ute på NRK Rogaland og sier at det er aldri det de har spurt om. Det de har spurt etter, er rammebetingelser, og det er rammebetingelsene jeg nå har utfordret regjeringen på. Jeg håper statsråden tar det seriøst. Det andre momentet som jeg nevnte innledningsvis, er kraftpris og Mange land i Europa jobber for å få ordninger som kompenserer CO2-kostnader i kraftprisen, fordi de ser at deres egen industri ikke vil være konkurransedyktig globalt når ikke alle land har CO2-kostnadene inkludert i kraftprisen. Dette har dessverre blitt avvist av næringsministerens kolleger. Både miljøvernminister Solheim og energiminister Riis-Johansen har tidligere avvist at man skal kunne kompensere noe som helst, fordi det er viktig at CO2 har en pris, og det å kompensere vil ødelegge poenget med klimapolitikken. Jeg mener det å flytte ut norsk industri, og dermed bare flytte utslippene, er en dårligere klimapolitikk. Jeg håper statsråden også vil gi et bidrag der. Til slutt: Når det gjelder de direkte CO2-kostnadene, er det et tema som jeg har brakt opp mange ganger tidligere. Jeg har oppfattet næringsministeren til å være ganske positiv til at man skal ha tildeling av CO2-kvoter på linje med det man har i andre land. land. Derfor skal jeg ikke utfordre ham på det – jeg vil bare be ham bekrefte at det faktisk er regjeringens politikk. For det er ikke lenger enn ett år siden at SV i denne sal sa at denne regjeringen ikke ville tildele en eneste kvote gratis etter 2013. Jeg håper statsråden kan bekrefte at det er feil. La meg først knytte noen kommentarer til interpellasjonens adresse, fordi det av og til er litt uklart når slike interpellasjoner behandles, hvilken statsråd

må vi ha litt ryddighet i forhold til hvilken statsråd som er ansvarlig for hvilken del av forvaltningen. Nå er dette et tema som angår mange statsråder. Det angår meg som næringsminister, fordi dette med krafttilgang er en vesentlig faktor for en vellykket industri. Det angår selvsagt energiministeren som har ansvaret for energiforsyningen og kraftselskapene, og det angår også miljøvernministeren som har ansvaret for klimapolitikken. De mer detaljerte spørsmålene som knytter seg til de statsrådene som har ansvaret for andre områder, får man ta i spørretimer eller i andre interpellasjoner. Jeg skal ta meg av det som går på kraftkrevende industri i Norge. Norge. Gode vilkår for denne industrien og øvrig konkurranseutsatt industri er noe som opptar både meg og regjeringen. Jeg tror at er det noe som kjennetegner i hvert fall mitt partis historie, er det jo nettopp dette at vi har bygd industri i Norge, vi har lagt til rette for noen spesielle satsingsområder, og den største endringen etter at vi overtok i 2005, var jo nettopp at man gikk bort fra den næringsnøytrale politikken som det borgerlige flertallet ønsket, og over på en satsingspolitikk som handler om å bygge opp om de områdene hvor Norge er best, hvor vi har spesielle fortrinn, og hvor vi har lang historie og god kompetanse. Kraftkrevende industri er nettopp et slikt område. Den står for en betydelig del av våre eksportinntekter. Den er viktig for sysselsettingen i mange regioner. Vi har verdensledende kompetanse og teknologi, bl.a. innenfor aluminium og silisium, og vi har en miljøvennlig næring som går i spiss for å forene industri, industri, klima og miljø, og ikke, som Fremskrittspartiet ofte tar til orde for, at man må velge det ene eller det andre. Tvert imot, nettopp fordi vi er så miljøledende, blir vi mer konkurransedyktige; vi blir ledende på den internasjonale arena, og vi møter internasjonalt regelverk og konkurranse på en offensiv måte i stedet for å halse etter.

politikk, med vår næringspolitikk og med vårt internasjonale arbeid for å sørge for gode muligheter for eksportrettet næring. Den seneste konjunkturrapporten fra norsk industri viser at industrien har klart seg godt, og norsk industri forventer en vekst blant sine medlemsbedrifter på 7 pst., og sysselsettingen forventes å øke. Det bildet som Fremskrittspartiet ofte tegner av Norge,

Det går godt i Norge, og det finnes mye folk med tæl, optimisme og pågangsmot, helt i motsetning til det interpellanten beskriver. Det betyr ikke at det ikke er utfordringer, og at vi ikke skal jobbe med å gjøre vilkårene enda bedre, og det er viktige rammevilkår som skal til for at vi skal lykkes. Noe annet som vi derfor jobbet med også før valget i 2009, var å si at vi trenger ordninger som sørger for at den kraftkrevende industrien får gode vilkår. en stor garantiordning for den kraftkrevende industrien og kraftselskapene, slik at man kan bruke den når man inngår kraftkontrakter. Like før jul fikk vi høre at Norske Skog og Finnfjord har brukt de rammevilkårene vi nå har, til å inngå en kontrakt med Statkraft. Det er den første langsiktige kraftkontrakten som er inngått på lang tid. Det viser at våre kraftselskaper kan tilby den kraftkrevende industrien kontrakter til konkurransedyktige vilkår. Vi har også fått på plass en tilskuddsordning til industribedrifter som etablerer konsortier for felles innkjøp av kraft. Det er betydelig interesse for denne ordningen, og i alt ni bedrifter har fått utbetalt tilskudd. I tillegg har vi lagt inn 14 mrd. kr ekstra kapital i statsselskapet Statkraft, som Fremskrittspartiet gang på gang har ønsket å privatisere. Det sørger nå for et investeringsprogram de neste fem årene på 80 mrd. kr. Mye av dette skal gå til å bygge ut norsk kraftkapasitet. Nylig fikk vi også presentert de grønne sertifikatene, som bidrar til nær 13 TWh mer kraft også i Norge. Vi sa i Vi sa i eierskapsmeldingen – siden vi eier Statkraft, kan vi si slike ting: «Statkraft skal innenfor EØS-regelverket arbeide for å møte industriens behov for stabil og langsiktig kraftforsyning.» Slik ønsker vi også offentlig eierskap i andre kraftselskap, i strid med Fremskrittspartiets politikk. Vi har satt i gang mange tiltak for å styrke kraftbalansen, for å bygge ut ny kraftproduksjon og for å bygge opp om denne næringen. Her er vi jo ved kjernen. Vi vil fortsette å bygge opp under denne industrien som en hjørnestein i norsk næringspolitikk. Det er stikk i strid med det som står i Fremskrittspartiets program: «Bedrifter og næringsvirksomhet skal behandles likt og greie seg selv uten subsidier eller forskjellsbehandling.» Det er jo nettopp forskjellsbehandling som ligger til grunn for at den kraftkrevende industrien omfattes av garantiordningen. Det er jo nettopp det som gjør at vi ønsker å legge til rette for den industrien, ikke med subsidier, men ved å bruke de mulighetene vi

på Karmøy skal investere, men det hjelper jo når regjeringen legger inn 5 mrd. kr for at Hydro kan kjøpe Alumina og gruvevirksomheten til Vale, slik at de er sikret råstoffer for 100 år – igjen en aktiv næringspolitikk, statlig deltakelse i næringslivet og forskjellsbehandling i den forstand at vi satser på et bestemt område, alle tre stikk i strid med interpellantens egen politikk. Så jeg står gjerne til rette i Stortinget for hva vi gjør for industrien, for det er faktisk en veldig god historie. Jeg er egentlig veldig skuffet over svaret, for dette var en samling «rauaraddel», som vi ville sagt på Jeg er egentlig veldig skuffet over svaret, for dette var en samling «rauaraddel», som vi ville sagt på Jæren. Det hadde veldig lite å gjøre med det som var problemstillingen, veldig mye ren polemikk. Denne interpellasjonen er helt korrekt adressert til næringsministeren, som representant for regjeringen. Statsråden stiller tross alt opp når en skal legge fram industrikraftregimet. Da synes jeg det er naturlig, når vi utfordrer på industri og kraft, at den statsråden svarer. Statsråden må også stå ansvarlig for den helheten av politikk som statsråden svarer. Statsråden må også stå ansvarlig for den helheten av politikk som regjeringen fører, og ikke bare selge de positive, isolerte sidene når helheten stopper viktige industriprosjekt. Statsråden forholdt seg dessverre i liten grad til problemstillingen. Når en begynner å polemisere om næringsnøytral politikk, er det greit. Fremskrittspartiet har heller ikke vært en aktiv forkjemper for næringsnøytral politikk Men hvor er den aktive politikken fra regjeringen når det gjelder å sikre seg Alocas investering i Norge? Det utfordrer jeg statsråden til konkret å nevne. Jeg registrerte at statsråden ikke forholdt seg til sånne ting. Det er vel og bra at en hjelper norsk næringsliv til å investere mer i utlandet. Energi- og miljøkomiteen har vært i Brasil og sett hvilken entusiasme det var blant norsk næringsliv for å etablere seg der. Jeg har selv jobbet i rederinæringen og vet hvordan det ser ut i verden for å få oppdrag, for å tjene penger. Det er det bra at Norge gjør. Men når investorer vil komme til Norge, bør vi også sikre at vi ønsker dem velkommen og ikke vise dem ryggen. Det en konkret problemstilling som polemikk fra statsråden ikke klarer å forhindre at eksisterer. Det er bra at industrisysselsettingen går opp, men det paradoksalt nok. Det handler igjen om at man i oljeservicenæringen har blitt veldig flinke med hensyn til eksport og har fått mange vedlikeholds- og oppgraderingsoppdrag på norsk sokkel, ikke så mye nybygging som vi skulle ønske. Optimistiske næringsfolk treffer vi hele veien. Mange av dem stemmer Høyre og Fremskrittspartiet. Men det endrer ikke på at de utfordringene som ble skissert, eksisterer. Statkraft og egenkapital: egenkapital: Å late som om Fremskrittspartiet er imot det, er helt tullete. Fremskrittspartiet har flere ganger utfordret statsråden til å komme med svar til Statkraft, fordi han ikke evner det. Fremskrittspartiet hadde heller ingenting imot at Hydro fikk investeringer og egenkapital til å gjøre investeringene i Brasil. Men det endrer ikke det faktum, når det gjelder investeringer på Hydro på Karmøy, at det ikke er mangel på egenkapital som stopper dem, men det er svekket lønnsomhet som følge av regjeringens politikk. Programmet til Fremskrittspartiet sier at vi ikke skal forskjellsbehandle industribedrifter innenfor en næring. Men programmet vårt sier samtidig mye om klyngesatsing. Det bør statsråden også få med seg, istedenfor å fordreie denne debatten. Vi satser på marine næringer, maritime næringer, energi, olje og gass og IKT. Men det hindrer ikke, når problemstillingen her handler om krafttilgang til industrien, at statsråden også må svare på det. Presidenten er litt i tvil om ordet «tullete» er så Presidenten er litt i tvil om ordet «tullete» er så veldig parlamentarisk. Som sagt – bare for å svare på spørsmålet – vil vi legge oss tett opptil det EU vedtar når det gjelder CO2-kvoteordningen. Men det er en annen statsråd som håndterer det i Stortinget. EU er heller ikke Det er også sånn at vi kommer til å holde oss til det klimaforliket som samtlige partier, bortsett fra Fremskrittspartiet, har inngått i dette hus. Det er også god næringspolitikk. Den katastrofale næringspolitikken ville vært om vi hadde sagt – i motsetning til alle andre europeiske land – at vi ikke bryr oss om klimaendringene, vi tror ikke på det engang, og så legge opp en og så legge opp en næringspolitikk etter det. Så kommer de internasjonale reglene og de internasjonale kravene – og så er norsk industri fullstendig «på hæla». I stedet skaper vi nå tusenvis, om ikke titusenvis, av arbeidsplasser på en miljøvennlig måte, er i forkant, vinner markedsandeler – f.eks. innenfor olje- og gassnæringen, etter ulykken i Mexicogolfen. Våre sikkerhetskrav og våre miljøkrav er bedre egnet til å legge grunnlag for at våre selskaper er klare når det kommer strengere krav andre steder. Det at man på et eller annet tidspunkt må si litt ifra – tilbake til Fremskrittspartiet – er ikke bare fordi man har en interpellasjonsdebatt midt under en spennende sprintinnspurt, men også fordi jeg ser at Solvik-Olsen, i Stavanger Aftenblad sier følgende: «Ap forstår ikke hvilke betingelser industrien og offshorenæringen trenger for å kunne utvikles.» Det er mange man skal belæres av, men ikke av Fremskrittspartiet. Jeg mener at Fremskrittspartiet svikter Vestlandet. Man har sviktet Vestlandet – og man har gjort det hele tiden. Man sviktet den gangen man foreslo at SDØE skulle privatiseres, og man sviktet den gangen man mente at Statoil skulle selges. Det er feil det interpellanten sier står ikke at det ikke skal være forskjellsbehandling innenfor næringen. Det står: «Bedrifter og næringsvirksomhet skal behandles likt» – punktum, ikke «innenfor næringen». Man svikter de pilarene som hele Vestlandet står på – den marine næringen, olje- og gassnæringen, og den kraftkrevende industrien. Man må gjerne argumentere for privatisering og at industrien skal beholde hjemfall, men det kan like godt være Hvis man privatiserte Statkraft, er det antagelig ikke kapitalmiljøer i Norge til å kjøpe det. Det betyr at man selger det ut av landet, og da svikter man igjen Vestlandet – og Norge. Det er en aktiv næringspolitikk, en deltagende stat, statlig eierskap, satsing på Innovasjon Norge, satsing på SIVA, satsing på forskning og utdanning

Den kraftforedlande industrien er ei av Noregs største eksportnæringar og utgjer fleire tusen arbeidsplassar. Desse bedriftene ligg ofte langs kysten og er hjørnesteinsbedrifter i mange distriktskommunar. Det aller viktigaste for denne industrien og all industri i Noreg er at vi har orden i økonomien – dette er noko interpellanten bør leggja seg på minne. Det ville vera fint lite industri att i Noreg, også kraftforedlande industri, viss vi slepper laus pengebruken og får press i økonomien. Dei fleste bedriftene har fram til no hatt myndigheitsbestemde kraftkontraktar. Fleire kontraktar har gått ut eller går ut om forholdsvis få år. Derfor har det dei siste åra vore stort fokus på rammevilkåra for denne industrien. Konjunkturrapporten frå Norsk Industri, som nett er framlagd, viser at industrien har greidd seg bra gjennom finanskrisa, og at norske bedrifter ser optimistisk på framtida. Det vert forventa vekst og auka sysselsetjing. Dette er bra, men det er sjølvsagt likevel viktig å jobba vidare med rammevilkåra, slik som ministeren sa. Kraftvilkåra er viktige for den kraftforedlande industrien. Myndigheitene har saman med industrien bygd opp eit nytt industrikraftregime for å sikra langsiktige, gode rammevilkår for industrien. Industrien er jamt over godt fornøgd med innhaldet og verkemidla i

års leigetid er også i tråd med Arbeidarpartiet sitt landsmøtevedtak, men eg skal ikkje ta nokon omkamp om dette her. Som sagt: Dei kritiske rammevilkåra for framleis å kunna ha kraftforedlande industri i Noreg er fleire, m.a. konkurransedyktig pris på elektrisk kraft. Land utanfor Europa kan tilby atskilleg rimelegare straum enn det Noreg kan. Paradokset er at dette ofte er Noreg sin kraftforedlande industri er den reinaste i verda – tufta på rein norsk vasskraft. Fakta er at norsk industri er ein del av klimaløysinga i dag – og i framtida. skal ifølgje eigarmeldinga forhandla med industrien og tilby langsiktige og konkurransedyktige kraftavtaler i Noreg. Det er svært gledeleg at det kom på plass nye langsiktige kraftavtaler med Statkraft. Eg føreset at denne trenden med forhandlingsvilje hjå Statkraft held fram i endå sterkare grad i framtida. Eit anna moment som er kome til etter at vi foreslo det nye kraftregimet, er CO2-påslaget på kraftprisen, som utgjer ca. ein tredjedel av prisen. Noreg har hovudsakleg vasskraft som ikkje slepper ut klimagassar. I dei myndigheitsbestemde kraftkontraktane er det ikkje CO2-påslag. Eg ser paradokset med CO2-avgift på vasskraft og annan fornybar energi, men samtidig må vi erkjenna at vi er ein del av eit nordisk kraftregime, og per i dag importerer vi kraft, og den krafta er ikkje I det reviderte kvotedirektivet har EU-kommisjonen foreslått at industrisektorar som vert vurderte som å vera særleg utsette for karbonlekkasje, kan motta inntil hundre prosent gratiskvotar frå 2013 – gitt bruk av beste tilgjengelege teknologi inntil ein ny internasjonal klimaavtale er på plass. EU har også opna for at medlemsstatane kan kompensera industri som er utsett for karbonlekkasje, for delar av auken i kraftprisen som Det er òg bra at all tradisjonell norsk kraftforedlande metallindustri er inkludert på EUs liste over næringar som er utsette for karbonlekkasje. I Soria Moria-erklæringa seier regjeringa at utslepp frå kraftintensiv industri skal regulerast innanfor EUs kvotesystem. Regjeringa arbeider no med å finna gode løysingar både for å forbetra miljøet og for å leggja til rette for at bl.a. aluminiumsindustrien skal halda fram og utvikla seg vidare i Noreg. Eg veit at regjeringa er svært oppteken av dette, og at dialogen med dei bedrifter det gjeld, er god. Eg vil likevel påpeika at det er viktig at trykket på dette området vert halde oppe med full styrke. Vi skal også ha med oss at dei norske strenge krava til utslepp har medført at våre norske bedrifter er heilt i verdseliten når det gjeld teknologisk utvikling. Dette har gjeve oss fortrinn og vil framleis gjeva oss fortrinn. Når olja ein gong tek slutt, vil vi framleis ha

som har en høy grad av avhengighet til disse selskapene i forhold til jobb og inntekt. Dermed er det riktig å si at rammebetingelsene for kraftforedlende industri også har stor betydning for Distrikts-Norge. Den kraftforedlende industrien fremstår som teknologisk avansert og er verdensledende i forhold til å benytte seg av miljøvennlig teknologi. Produkter som f.eks. aluminium er regnet for å kunne ha en stor etterspørsel fremover, og en produksjon basert på ren fornybar vannkraft er et viktig bidrag også ut fra verdens klimautfordringer. Taper vi produksjon i Norge, vil andre land overta denne produksjonen, land som sannsynligvis ikke har samme krav til klimautslipp og miljøvennlig produksjon som det vi har i Norge. Da taper vi på alle fronter: Vi taper industri, og folk mister jobbene sine. Miljøet vil også være en tapende part. En slik situasjon må vi gjøre det ytterste for å unngå å komme Produktene fra den kraftforedlende industrien er globale handelsvarer. Våre bedrifter må være til stede i disse markedene hver eneste dag. Dette er ikke en industri hvor vi bare kan trykke på en av- og på-knapp i takt med varierende strømpriser. I det øyeblikket Norge produserer mindre, står andre lands aktører klare til å kapre økte markedsandeler. Det er viktig at regjeringen sender et tydelig signal til industrien om at den skal kunne ha de samme rammebetingelsene som sine nærmeste konkurrentland, altså EU. Vi kjenner til at EU har åpnet for å kompensere for de høyere strømprisene som de europeiske kvotemarkedene medfører i forhold til store deler av verden, for å unngå industriflukt og karbonlekkasje, og det er viktig at norske myndigheter følger med og er aktive i sin påvirkning og tilrettelegging av Siden Norge ikke er medlem av EU, betyr dette at våre myndigheter vil ha noen ekstra utfordringer i å påvirke utformingen av ordningen i en retning vi mener er viktig for å unngå karbonlekkasje fremover, men det er viktig at regjeringen har en aktiv holdning på dette området. Når det gjelder Alcoas planer om industrietablering i Finnmark, er det uheldig at regjeringen ikke kan være villig til å bidra til å tilrettelegge for disse industriarbeidsplassene. Videre er det synd at Industrikraft Møre denne uken har valgt å legge sine planer om et gasskraftverk i Elnesvågen på is, siden regjeringens krav til rensing fra oppstart ikke er kommersielt mulig for disse aktørene. Jeg legger merke til statsråd Giskes selvros av regjeringens og Arbeiderpartiets innsats for å bygge industri. Men dessverre er Norge i en situasjon hvor en del viktige indikatorer for verdiskaping peker feil vei. Det håper jeg at vår næringsminister har merket seg. Det har nemlig vært en nedgang i antall arbeidsplasser i privat sektor etter finanskrisen. Andelen innovative foretak i Norge synker, og den langsiktige innovasjonstrenden er negativ. Vi har hatt en negativ produktivitetsvekst i perioden og Norge faller på verdensrankingen over næringsklima. Dette er faresignaler, og det må være ytterst viktig for den sittende regjering å sørge for at vi har en konstruktiv politikk for industrien i og vi har som utgangspunkt at norsk industri må ha mest mulig like rammebetingelser som våre naboland og nærmeste konkurrenter. Dette gjelder både rammebetingelser for oppstart av gasskraftverk og like betingelser i henhold til mulighetsbildet EUs regler for statsstøtte gir til kraftforedlende industri. Høyre er opptatt av å videreutvikle en sterk industri i Norge, sørge for at det er tilbud om arbeid og kompetansearbeidsplasser rundt omkring i Distrikts-Norge. Til slutt vil jeg også oppfordre næringsministeren til å være aktiv i den diskusjonen som nå foregår i forkant av forvaltningsplan og petroleumsmelding, fordi leverandørindustrien til olje og gass i Norge faktisk representerer landets nest største eksportnæring. Det betyr at det er ikke likegyldig hvordan vi tilrettelegger og utvikler hjemmemarkedet for denne næringen, slik at den skal vokse her hjemme

Representanten Solvik-Olsen tek opp sentrale spørsmål i interpellasjonen. Den kraftforedlande industrien er i dag ein viktig del av norsk eksportnæring. Han er viktig for mange lokalsamfunn, og han er ein viktig kunde for mange innovative leverandørar rundt om i landet. Ein av grunnane til den gode posisjonen som denne industrien har, er ei offensiv miljøsatsing. Spesielt i 1970- og 1980-åra fekk prosessindustrien strenge miljøkrav. Industrien tok desse miljøutfordringane på strak arm og satsa på prosessutvikling og ny teknologi. Det har ført til at vi no har ei innovativ og konkurransedyktig næring. Representanten Solvik-Olsen er oppteken av rammevilkåra for denne industrien, spesielt relatert til klima og miljø. Der kan det òg vere grunn til å peike på kva som faktisk er rammevilkåra i dagens situasjon i forhold til klima og miljø for prosessindustrien.

Det er også gitt offentlig støtte til utvikling av nye prosessalternativ, både innanfor aluminiumsindustrien og ferrolegeringsindustrien. Vi er i dag i ein situasjon der det som går føre seg av prosessutvikling i norsk metallurgisk industri, med offentleg støtte bl.a. frå Enova, faktisk kan revolusjonere både aluminiumsindustrien og ferrolegeringsindustrien. Så det er faktisk ein svært potent industri vi her snakkar om. Gode rammevilkår kombinert med ein offensiv miljøpolitikk har ført til at vi i dag har ei livskraftig og framtidsretta næring. Det er viktig å vidareføre den balansen. Det er det som har skapt norsk industri, det er det som er merkevara for norsk industri – ein offensiv miljøpolitikk og gode rammevilkår – og det er det som gjer at han er konkurransedyktig i eit land med eit krevjande kostnadsnivå. Den raud-grøne regjeringa har også fått på plass eit godt industrikraftregime. Det er godt for næringa samtidig som det sikrar at vasskrafta, som er ei evigvarande naturressurs, framleis høyrer til folket. Like før jul fekk vi eit par eksempel på at industrikraftregimet fungerer godt for viktige aktørar i bransjen. Representanten Solvik-Olsen tek også opp det han kallar Enkelte oppfattar dette som ei avgift på elektrisk kraft. Dette er ikkje ei avgift på elektrisk kraft, det er ein effekt av den frie priskonkurransen som Framstegspartiet hyllar. Effekten av klimakvotar for kolkraftverk i Europa forplantar seg gjennom marknadsmekanismane til Noreg. Næringa er oppteken av at denne marknadseffekten kan føre til vanskelege konkurranseforhold, ikkje berre i Noreg, men i heile Europa, i forhold til resten av verda. Det er faktisk ei viktig problemstilling som vi må følgje nøye. Men situasjonen er jo at EU enno ikkje har bestemt seg for korleis dei skal handtere dette. Så parallelt med at EU ser på korleis dei skal handtere det, må Noreg følgje med på kva som skjer der, for det å forskottere korleis vi skal løyse problemet før vi ser korleis det blir løyst i Europa, kan gjere at vi kjem i ein vanskeleg situasjon. Så det regjeringa gjer, er nettopp det som er riktig i forhold til næringa: å følgje situasjonen i Europa, og å passe på at vi får fornuftige løysingar i Noreg relaterte til kva som går føre seg i Europa. Eg har jobba i denne industrien i 20–25 år, og eg veit godt at det ein her er mest oppteken av, det direktørane stadig snakkar om når dei kjem på besøk, er at eksportindustrien har eitt primært krav, og det er ein ordna økonomi som gjer at det er ein ordna økonomi som gjer at vi har stabil kronekurs. Eg trur eg kan tore å påstå at om Framstegspartiet no skulle få handa på den økonomiske politikken i Noreg, er eg redd for at vi verken har ein ordna økonomi eller ein stabil kronekurs, eller at det er så mykje metallurgisk industri igjen i Noreg. Representanten Solvik-Olsen tar opp sentrale spørsmål i sin interpellasjon. Det er

at det er så mykje metallurgisk industri igjen i Noreg. Representanten Solvik-Olsen tar opp sentrale spørsmål i sin interpellasjon. Det er ingen tvil om at den kraftintensive industrien er en viktig del av norsk næringsliv. Dette er viktige hjørnesteinsbedrifter i mange distriktssamfunn. Senterpartiet er opptatt av å legge til rette for kraftintensiv industri, og vi vil understreke viktigheten av at regjeringen nå gjennomfører tiltak for å styrke krafttilgangen til industrien. Senterpartiet er tilfreds med at det nå er etablert en garantiordning med en ramme på 20 mrd. kr for å understøtte den kraftintensive industriens kraftkjøp. Den rød-grønne regjeringen har også fått på plass en tilskuddsordning til industribedrifter som etablerer konsortier for felles innkjøp av kraft, og det er vist betydelig Rett før jul ble det inngått langsiktige kontrakter mellom Statkraft og norske industriselskaper. Det er svært viktig for videre utvikling av Norske Skog og Finnfjord. Investeringer i den kraftintensive industrien har gjerne en horisont på 20–40 år, og langsiktige kraftavtaler vil være avgjørende for nye investeringer. Jeg vil også vise til at regjeringen har satt i gang en rekke tiltak for å styrke kraftbalansen og for å bygge ut ny kraftproduksjon. Dette har stor betydning for den kraftintensive industrien. Det er også planer om videre utbygging og styrking av kraftnettet. Det er inngått avtale med Sverige om etablering av et felles elsertifikatmarked med oppstart fra 2012, som vil føre til utbygging av ny fornybar energi. Samtidig planlegger Statnett store investeringer i nettet de kommende årene. Dette vil bety mye for den kraftintensive industrien. Senterpartiet er opptatt av å beholde den kraftintensive industrien i Norge parallelt med utviklingen av klimavirkemidlene. Vi må også påse at klimareguleringer bidrar til reelle utslippsreduksjoner globalt. Senterpartiet er opptatt av klima og klimautfordringene. Samtidig er vi helt klare på at vi ikke er tjent med et system som kan medføre at norsk industri flytter til land uten utslippsforpliktelser. Derfor må vi finne fram til en innretning som ivaretar norsk klimapolitikk på en best mulig måte, samtidig som vi sikrer industrien konkurransedyktige rammevilkår. Interpellanten slår fast at regjeringens industrikraftregime er Interpellanten slår fast at regjeringens industrikraftregime er for vagt til å berolige næringen. Han har antagelig rett i det. Billig kraft er en helt avgjørende faktor for at Norge som høykostland kan konkurrere med industri i lavkostland også i fremtiden. I tillegg til høy kompetanse er billig kraft vårt fremste konkurransefortrinn. Jeg har fått samme melding fra mange industribedrifter: Et industrikraftregime som gir sikker og langsiktig tilgang til kraft til konkurransedyktige betingelser, er helt avgjørende for bedriftenes framtid. Kristelig Folkeparti mener at Norge trenger en ny energipolitikk som tar inn over seg lærdommen fra Det skal ikke kunne skje at det i en region planlegges for mer forbruk enn det som er forsyningskapasiteten, uten at det settes i gang tiltak som sikrer forsyningen i takt med forbrukerveksten. Ved den ellers så vellykkede dereguleringen av Ved den ellers så vellykkede dereguleringen av kraftsektoren for 20 år siden overlot myndighetene for mye ansvar til markedet, og forvaltningen inntok en for tilbakelent rolle i tiltro til at markedsmekanismene sikret forsyningen. Kristelig Folkeparti har foreslått endringer i energiloven for å styrke den politiske styringen og styrke olje- og energiministerens ansvar for Den rød-grønne regjeringen har ikke ønsket å følge opp dette. Stortinget behandlet nylig endringer i dekningsloven, som vil gjøre det lettere for industrien å skaffe finansiering ved inngåelse av langsiktige kraftavtaler. Det vil kunne skape økt likviditet i markedet for langsiktige kraftavtaler og være et viktig bidrag til å sikre at den kraftintensive industrien videreutvikler sine virksomheter i Norge. Endringene i dekningsloven er bare en av rammebetingelsene som må være på plass før man kan få til en garantiordning. Den andre viktige betingelsen, nemlig notifisering og godkjennelse av ESA, må også komme på plass. Folkeparti støtter dette lovendringsforslaget, men konstaterer at det ikke oppfyller løftene fra regjeringspartiene i valgkampen i 2005 om kraft til industrien til under markedspris. Forslaget fra regjeringen om en garantiordning for kjøp av kraft hjelper industrien et stykke på vei, men er på langt nær det som ble lovet før siste valg. Testen på hvilken effekt denne garantiordningen vil få, er om industrien nå finner grunnlag for en langsiktig satsing på produksjon og investeringer i Norge. Det ønsker Kristelig Folkeparti å legge til rette for. I valgkampen i 2005 reiste de rød-grønne land og strand rundt med løfter de burde vite de ikke kunne holde. Stoltenberg ga industrien falske forventninger. Industrikraft var et yndet debattema, og rød-grønne løfter om et

regjeringen Stoltenberg I hadde kommet til samme konklusjon tidligere. Denne kunnskapen må de rød-grønne bevisst ha glemt da de reiste rundt med dette budskapet. Noen industrisamfunn har blitt rammet ekstra kraftig av den internasjonale finanskrisen. Kristelig Folkeparti frykter at regjeringens virkemidler i næringspolitikken ikke er treffsikre nok.

som sånn sett berører veldig mange i tilknytning til enten sysselsetting eller indirekte sysselsetting. Siste taler var inne på dette med kraft til under markedspris. Jeg tror ikke Stortinget skal vurdere hva som er markedspris. Men det denne regjeringen har bidratt til, er at Statkraft nå har inngått kraftkontrakter med to industripartnere. Den ene av de industribedriftene har

og metallindustrien og den kjemiske industrien hadde relativt høyere vekst i 2010 enn i 2009. Tallene viser at metallindustrien økte med 15,7 pst. i 2010 sammenlignet med i 2009, og kjemiske råvarer hadde stor vekst i 2010, med en økning på 26,8 pst. sammenlignet med 2009. Så det er relativt god vekst og gode muligheter for eksport av norske varer. Så må vi med glede konstatere at noe av grunnlaget – rammebetingelsene – for norsk industri også medfører at en velger å investere. Finnfjord, som nå fikk en kraftavtale med Statkraft er et godt eksempel på det. I tillegg til avtalen med Statkraft

Det er en ganske vesentlig merknad i forhold til den diskusjonen vi har nå. Det handler om viljen til å legge føringer for at kraftprodusenter bør selge kraft til den kraftforedlende industrien. Verken Høyre eller Fremskrittspartiet var med på den merknaden. Verken Høyre eller Fremskrittspartiet, som nå står og påberoper seg en aktiv holdning til den situasjonen som norsk kraftforedlende industri befinner seg i, ville være med på den type føringer fra Stortinget. Og etter min mening viser det i utgangspunktet at en er mest opptatt av det nøytralitetsbegrepet som Høyre har stått for tidligere. Det samme gjorde Høyre da vi behandlet kapitaltilførselen til Statkraft. De valgte ikke å være med på å gi selskapet føringer i tråd med både industri og andre behov nasjonalt. Tvert om, de unnlot å gi føringer. Det viser at Høyre fremdeles er et næringsnøytralt parti. I tillegg sier Høyre i denne interpellasjonsdebatten at det har vært nedgang i privat sysselsetting etter finanskrisen. Ja, men den er på vei opp igjen. Samtidig er det fra 2005 og fram til nå skapt omtrent 260 000 nye arbeidsplasser, to tredjedeler i privat sektor – en betydelig vekst i antall arbeidsplasser i privat sektor. Så debatten blir noe merkelig, og det blir ikke bedre selv om vi gjentar de debattene gang på gang. Men jeg synes det er verdt å understreke at Høyres næringsnøytralitet synes også i enkelte tilfeller å ha smittet over på Fremskrittspartiet. Først vil jeg takke interpellanten for initiativet, og på Fremskrittspartiet. Først vil jeg takke interpellanten for initiativet, og så må man vel halvveis be om unnskyldning for at man bruker viktig tid som egentlig kunne ha blitt brukt til å være i Holmenkollen og sett sprint. Jeg kommer fra en fanatisk sportsinteressert familie – men det finnes av og til ting som er viktigere. Først litt til begrepet «næringsnøytralitet». Her føler jeg at Arbeiderpartiet holder på å gå skoene av seg. Det er én politiker av betydning som har brukt begrepet «næringsnøytralitet». Han heter Jens Stoltenberg, og han innførte det under sin første regjering. Hos Høyre har det aldri vært noe begrep eller noe verktøy. Så til en del av det jeg vil kommentere til debatten. Når det gjelder og prosjektet i Hammerfest, er det faktisk ganske bred politisk enighet om at Finnmark og Nord-Norge nå framstår med ganske gode muligheter innenfor både energi og mineraler. Det er i alle fall slik, når man ser på antall ministre som har vært nordpå og fortalt om den rød-grønne framtiden, at det er tverrpolitisk enighet i Arbeiderpartiet om at det finnes både energiressurser og mineraler nok der oppe. Det er gode grunner til å legge planer der man kan ha forhåpningar om å utvinne energiressurser både fra olje, gass, vind, havstrøm og vannkraft. I tillegg vet vi at prognosene for å finne store mineralressurser er gode. Det finner vi til og med i statsbudsjettet, der man bevilger godt med penger for å lete dem opp. Da er det ganske så ufattelig defensivt å si tvert nei når man får en forespørsel som den man fikk fra Alcoa. De naturlige spørsmålene kunne ha vært: Hvordan passer dette inn i et klimaregnskap der man inkluderer de andre energiformene man nå skal utvinne? Vil kanskje kombinasjonen av vind, vann, strøm og gass øke mulighetene for at man kan realisere utbyggingen av linjer, som igjen kan øke forbruket av fornybar energi? Et annet spørsmål man kunne ha stilt seg, var: Hva vil det si for klimaregnskapet at vi kombinerer utvinning av energi og foredling av mineraler så nær energikilden som mulig? mulig? Kan det faktisk være slik at det kan ha positiv effekt på klimaregnskapet at vi videreutvikler denne industrien i Norge, hvor vi – og der er det ingen som er uenige – beviselig er veldig gode på dette? Et spørsmål man kunne ha stilt seg, var: Hvilke utslag gir det seg i klimaregnskapet at vi eksporterer gass som forbrennes urenset, målt opp mot et industrieventyr som dette? Jeg registrerer at svaret fra parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, var tvert nei, og jeg registrerer ikke

Det ligger i dag til votering et forslag der man prøver å se helhetlig på energipolitikken. Jeg er ikke villig til å vedde rødvin på at vi kommer til å se et ja her i denne salen til et sånt forslag heller. Da er det faktisk slik at man ikke bare er inviterende overfor næringsaktører og overfor investorer i forhold til den industripolitikken man vil vise fram. Man framstår av og til som ganske avvisende.

Stabil kronekurs og lav rente er kanskje den viktigste grunnmuren for vår eksportrettede næring. Med Fremskrittspartiets økonomiske politikk, med økt pengebruk, hvor pengesekken til alle gode formål skal hentes i oljefondet, ville usikkerheten blitt stor i industrien vår, og tusenvis av industriarbeidere ville ha fått den regningen. Regjeringen har lagt sten på sten av rammevilkår overfor industrien. Jeg synes det er helt utrolig at representanten Solvik-Olsen kan stå og si at en svekket konkurransesituasjon skyldes regjeringens politikk. Han nevner ikke en eneste gang finanskrisen og den krevende markedssituasjonen som industrien har stått oppe i, så jeg takker og lovpriser at landet ikke styres av Fremskrittspartiets økonomiske politikk. Så har jeg lyst til å si én ting, for jeg merket meg at både Fremskrittspartiets representanter og Høyres representanter kjører hardt på med at regjeringen har all skyld i at Industrikraft Møres prosjekt er lagt på is. Konsesjonskravet til Industrikraft Møre er helt tydelig på rensekravet, og det er klart det er krevende å finne dette prosjektet økonomisk lønnsomt. Det er også krevende å være trygg på at de økonomiske utgiftene man berammer ved å bygge et slikt anlegg, vil stå seg. Ser vi til Mongstad og prosjektet der, viser erfaringene at kostnadstallene og de tekniske utfordringene til rensing mange ganger spiller prosjektet et puss. Det er trist at slike gode prosjekt skrinlegges, men jeg synes det er utrolig at man skylder kun på regjeringen når det gjelder dette. Det er å gå altfor langt, og jeg synes at det er litt for lettvint med tanke på et prosjekt som vi alle sammen skulle ønske hadde blitt realisert.

men jeg må dessverre konstatere at egentlig har tiden vært bortkastet, for når det gjaldt å få gehør for problemstillingen fra regjeringen, har det ikke vært til stede. Dette er en problemstilling som både norsk tar opp flere ganger. Men det er åpenbart – når det er Fremskrittspartiet som løfter problemstillingen, er statsråden mer opptatt av ski-VM enn det som skjer i salen. Statsråden har forberedt seg mer på å mistolke Fremskrittspartiet politikk enn å forholde seg til den reelle problemstillingen. Det jeg kom med, var ikke en svartmaling av situasjonen, men to konkrete problemstillinger som industrien opplever som hemmende i konkurransen med utlandet. Det handler om kostnader ved CO2, og det handler om tilgang på kraft. Dette er ikke en problemstilling Fremskrittspartiet har konstruert, men det er noe jeg tror alle, når en tenker seg om, vet er en realitet.

Men den andre problemstillingen jeg nevnte, er fortsatt ikke håndtert. Det er litt spesielt når industrikraftregimet her får æren for at det er blitt inngått en kraftkontrakt mellom Statkraft og Norske Skog når dette industrikraftregimet ennå ikke er ferdig notifisert hos ESA, og når Norske Skog sier at det var ikke det som var grunnlaget for det. Jeg kan godt gå i en polemikk med næringsministeren om Fremskrittspartiets politikk, jeg kjenner den bedre enn statsråden. Men statsråden har ingen interesse av å prøve å gjengi den korrekt. Jeg bare konstaterer at i oljefylket Rogaland er det Fremskrittspartiet og Høyre som er de foretrukne partiene, ikke Arbeiderpartiet. Det handler om at velgere som jobber i en bransje, ikke lar seg lure av polemikk når de ser hva den praktiske politikken er. Faktum er at norsk industri er mer markedseksponert i kraftmarkedene nå enn den var før denne regjeringen overtok. Det er ikke vil ikke selge ut vannkraften, men vi mener det er rett at industrien skulle få eie vannkraften. Så kan statsråden prøve å la det være en greie om at vi skal selge ut alt til utlendinger. Det er ikke det som er Fremskrittspartiets politikk. La meg til slutt utfordre næringsministeren på en konkret ting som han knapt nok har våget å berøre, og det er Alcoa. Alcoa eksemplifiserer problemene med denne industripolitikken. Det å gi Alcoa mulighet til å investere i Norge er altså ikke å ødelegge våre miljø- og klimamål. Det er ikke å ødelegge den satsingen som skjer i industrien på dette området, men det er å kunne bygge videre på den klyngen. Vil statsråden ta grep som gjør at Alcoa faktisk investerer i Norge? La meg først si at det er

bedriftene. Jeg ønsker Alcoa velkommen til å investere både i Finnmark og andre steder. Jeg ønsker norsk metallindustri en lysende framtid. Og vi skal legge til rette for det, men det må skje innenfor det klimaforliket som Stortinget har vedtatt. Derfor skjønner jeg godt at Fremskrittspartiet kan stå her og si: kjør på, bygg gasskraftverk, slipp ut, bruk ressursene uten hensyn til klimaet. Men at Høyre kan stå her og si det, uten å ta inn over seg det klimaforliket som Høyre den gang til og med sa at regjeringen var for defensiv på før vi kom fram til en enighet, har jeg verre for å forstå. Jeg er optimist. Jeg tror at teknologien vil hjelpe oss. Jeg tror menneskers innovasjon og evne til å utvikle nye løsninger vil føre til at vi kan bygge en industri som kombinerer malmressurser, som vi har mye av, og som vi har doblet letingen etter – igjen en ikkenæringsnøytral politikk, men tvert imot en satsing på et bestemt næringsområde med CO2-rensing og oppbevaring. Men det må altså skje innenfor de rammene som norsk klimapolitikk setter, og etter hvert innenfor de europeiske reglene som kommer. Vi kan ikke svare Alcoa på hva som blir EUs regelverk ett, to elle tre år før det er ferdigtegnet. Det er det ingen norsk regjering som rår over. Vi må avvente det til det regimet er ferdigtegnet. Så skal vi fortsette å legge til rette for at industrien får lange kraftkontrakter. kraftkontrakter. Det er for så vidt riktig at ESA fortsatt har mulighet til å gripe inn, men kraftkontraktsgarantiordningen gjelder. Det er norsk lov, den er vedtatt. Det kan bli juridiske prosesser i EØS- og EU-systemet dersom ESA griper inn, men så lenge de ikke gjør det, er den loven gjeldende. Og jeg er nok ganske sikker på at Statkraft, Statkraft, Finnfjord og Norske Skog også hadde den for øye da den første langsiktige kontrakten på svært lenge – en tolv års kontrakt, tenk på det, som sikret Norske Skog og Finnfjord – ble inngått. Det viser at det nytter med politikk, at det nytter å gripe inn og legge litt til rette og ikke bare slippe næringskreftene til. Sak nr. 10 er dermed ferdigbehandlet. La meg begynne med å si at jeg mener at interpellasjoner som sådan kan være en god debattarena for dialog mellom regjering og storting, og

9. Første taler er interpellanten, som er Ketil Solvik-Olsen, som har en taletid på inntil 10 minutter, og deretter statsråd Trond Giske,

Så er det slik at det egentlig er minst fem andre statsråder som burde vært her i dag. Helse-, arbeids-, fiskeri-, landbruks- og forskningsministrene kunne gjerne vært her i tillegg til næringsministeren. Nå åpner ikke Stortingets forretningsorden for det. Jeg er for så vidt glad for at både presidentskapet og Nærings- og handelsdepartementet har konkludert med at det passer veldig bra at næringsministeren svarer. skal begynne med å si noe om, som jeg også tar opp i interpellasjonsteksten, hvorfor Norge har særdeles gode forutsetninger for å lykkes innen bioteknologi. Den kunnskapen vi i Norge har om de store pasientgruppene, er unik. De aller fleste pasientene som behandles, blir gjennom den generelle pasientregistreringen. I tillegg har vi etablert et kreftregister som inneholder mer informasjon enn det de aller fleste andre nasjonalstater har om både pasientene, den behandlingen pasientene får, og resultatet av den behandlingen. I tillegg vil statsråden helt sikkert være kjent med det nok en fordel med den tette integrasjonen mellom medisinske utdannings- og forskningsmiljøer på den ene side og utøvende og behandlende medisinske miljøer på den andre. I sum har dette gitt oss en lang rekke fremragende internasjonale kunnskaps- og forskningsmiljøer innen kreft, diagnostikk – særlig fosterdiagnostikk – og medisinsk teknologi. I tillegg – som jeg ikke skal bruke så mye tid på i dag, men som vi likevel må nevne i debatten – har vi havbruksnæringen og farmasinæringen og samarbeidet mellom dem. Vi har sterke forskningsclustere i Trøndelag og i Hordaland. Paradoksalt nok har vi sterke veterinære farmasøytiske forskningsmiljøer i Akershus, av alle ting. I sum har disse forholdene bidratt til at vi har fått en stor underskog av delvis små oppstartsbedrifter, men ikke minst mange gode ideer fra de norske forskningsmiljøene. Jeg tar i interpellasjonsteksten min opp Inven2, eid av Universitetet i Oslo, som alene i år vil få 20 produkter til selskaps- eller mange av disse produktene nettopp blir utlisensiert, ikke alltid for norske selskaper, men skaper verdier og arbeidsplasser i andre deler av Europa og verden og ikke i Norge. Dette er viktig. Vi snakker ofte om eldrebølgen. I dag er 14 pst. av nordmenn over 67 år. I 2030 vil det være 18 pst. I 2050 vil over 20 pst. av befolkningen være eldre enn 67 år. Andelen over 90 år vil dobles, riktignok bare til 1,8 pst., fram til 2050. Samtidig blir det færre yrkesaktive per pensjonist. I dag er tallet 4,5 innbyggere i yrkesaktiv alder for hver innbygger over 67, mens det i 2050 bare vil være 2,7 – alt dette ifølge prognoser fra SSB. seniorforsker Stein Østerlund Petersen ved SINTEF helseforskning vil det være de somatiske sykehusene som blir truffet først av eldrebølgen, deretter, ti år senere, sykehjem og hjemmebasert omsorg. Så er det uheldig at eldrebølgen sammenfaller med lavere oljeproduksjon. Behov for aktiv petroleumspolitikk har vi. Jeg skal ikke Men uansett hva man gjør med norsk petroleumspolitikk, vil den relative andelen av statens inntekter fra oljen i framtiden bli redusert, uavhengig av hva vi finner ut av i denne salen om Lofoten og Vesterålen og andre mer eller mindre kontroversielle havområder. Men bioteknologi er i denne sammenhengen etter min oppfatning et kinderegg. Teknologien vil på den ene siden gjøre at vi kan utnytte og sannsynligvis styrke den offentlige forskningsinnsatsen inn mot bioteknologi. Det vil forhåpentligvis kunne bidra til at norsk utviklet kompetanse bidrar til at syke får bedre og mer effektiv behandling, raskere tilbakeføring til yrkeslivet og at folk står lenger i jobb. Det vil kunne frigjøre kapasitet på sykehusene ved kortere og mer effektiv behandling. Forhåpentligvis vil det også kunne gjøre at flere kan bo hjemme lenger, og at hjemmetjenestene kan bli mer effektive.

Men først og fremst er problemet såkorn og venturekapital. Det er slik i Norge at det er lite privat kapital. Det kan man like eller mislike, men slik er det nå engang. Jeg er i denne sammenhengen glad for at det i dag har kommet oppslag i media om at Arbeiderpartiet og LO er i ferd med å nærme seg enighet om å gjøre Det har jeg lyst til å gi uttrykk for at jeg tror er fornuftig. Det vil selvfølgelig kunne flytte mer kapital til Norge, noe som vil kunne lette på situasjonen, den mangelen på såkorn og venturekapital som vi har i Norge. Men vi har i dag et stort gap mellom gode forskningsresultater, gode ideer og et ferdigutviklet produkt. Dette gjør at mange av disse forskningsresultatene forsvinner ut av landet og blir kommersialisert i andre land. Man har en utviklingstid på mange produkter innen bioteknologinæringen på mellom ti og femten år – ti–tolv år er forholdsvis vanlig. Skal man bruke ti–tolv år på å utvikle et produkt, er man også avhengig av kapital av en viss Som jeg har vært inne på, er det allerede med dagens regime stadig flere ideer som har potensial i seg til å bli kommersialisert. Spørsmålet er om vi i dag har virkemidlene til å få disse kommersialisert. Jeg må si at regjeringen har gjort noen fornuftige grep. Sarsia Seed i Bergen er et av mange forvalter 330 mill. kr og har også fått i mandat av storting og regjering å investere i bioteknologien. Det er to problemer med Sarsia Seeds situasjon: Det ene er at de nå er fri for penger. Det er andre er at de hele tiden har vært pålagt kun å investere 30 mill. kr, noe som vil ekskludere veldig mange av de potensielle investeringskandidatene, fordi behovet her for kapital er langt, langt større enn 30 offentlige millioner – og da 30 private millioner, som er forutsetningen. Oslo Cancer Cluster organiserer noen av de sterkeste bioteknologimiljøene, ikke bare i Norge, men også i verden. de sterkeste bioteknologimiljøene, ikke bare i Norge, men også i verden. De har foreslått og tatt til orde for at Investinors mandat skal utvides. Jeg vet jo at statsråden følger med hele tiden, men jeg vil be statsråden følge nøye med. Oslo Cancer Cluster har tatt til orde for å utvide mandatet til Investinor til også å omfatte biomedisin – har de sagt, og så vil jeg gjerne si at det også bør gjelde andre typer bioteknologi. De har for så vidt også De har for så vidt også foreslått å styrke overføring av midler med 500 mill. kr. Jeg tar ikke stilling til om det beløpet er for stort eller for lite, men jeg har lyst til å høre statsrådens tanker om hvorvidt det vil være nyttig å utvide mandatet til Investinor – på permanent grunnlag – til også å gjelde biomedisin. Det kan hende statsråden er kjent med at Investinor allerede har gjort en slik investering, men det var i forbindelse med men det var i forbindelse med finanskrisen. TTO-ene har ikke næringsstatsråden noe ansvar for, men også TTO-ene ved de norske universitetene er fri for penger. Såkornfondene har brukt opp sine midler og kan nå bare bruke midler til å vedlikeholde de investeringene de allerede har gjort. Så bare én ting til Vi ser at de landene som bevisst satser på inkubasjon, er de som lykkes – USA, Storbritannia, Israel, Finland og ikke minst Danmark – riktignok i noen grad i samarbeid med Sverige. Medicon Valley-prosjektet utgjør i dag 350–400 bedrifter, med 25 000 ansatte. Det er 25 000 ansatte i en liten region på grensen mellom Danmark og Sverige som jobber med bioteknologi, og det er meget lønnsomme arbeidsplasser sett i Danmark og Sverige som jobber med bioteknologi, og det er meget lønnsomme arbeidsplasser sett i forhold til utnyttelsen av arbeidskraften. Altså: Verdiskapingen per årsverk er gigantisk. Helt avslutningsvis skal jeg slutte der jeg startet. Det er mange statsråder som har med dette å gjøre. Jeg vet at regjeringen har jobbet med bioteknologitilnærming. Jeg ønsker at statsråden kan svare: Er det behov for en mer overordnet tilnærming til bioteknologi i det norske samfunnet?
Neste taler er Henning Skumsvoll, som har en taletid på inntil 3 minutter.

god og relevant interpellasjon. Det er et viktig felt interpellanten tar opp, og det er et næringsområde som internasjonalt er i stor vekst, og som interpellanten selv beskriver, som med den demografiske utviklingen i Norge men også internasjonalt – helt sikkert vil være en viktig næringsgren i mange tiår framover. La meg først peke på noen fellestrekk ved moderne innovativ farmasøytisk industri: Den bygger på fremragende forskning, ofte også på grunnforskning. Det er en forskning av høy kvalitet, som er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig ingrediens. I tillegg må man ha industriell kompetanse, kommersiell kompetanse og strategier for å ivareta industrielle rettigheter. Legemiddelutvikling er særdeles kapitalkrevende, gjerne langvarig, og med høy risiko. Det dreier seg om en global virksomhet, hvor det ikke er rom for lokale løsninger. Dette er virkelig en internasjonal industri, og den griper inn i hele helsesektoren, hvor det er mange områder som kan være av interesse for næringsutvikling, også i Norge. Som representanten anfører, tar det særdeles lang tid å utvikle et legemiddel – gjerne ti–tolv år – og det er kostbart. Legemiddelindustrien opplyser at det koster i gjennomsnitt 6–7 mrd. kr å utvikle et legemiddel. Det kan med andre ord være svært ressurskrevende. Vi må se mulighetene for å styrke industrialiseringen av farmasinæringen i et slikt perspektiv. Jeg er enig med interpellanten i at vi har et godt grunnlag å bygge på. Etter mitt syn er et av de gode grunnlagene – og her skiller kanskje Fremskrittspartiet og mitt parti og regjeringen litt lag – at vi har et sterkt offentlig helsevesen med tilhørende pasientregistre. Det norske Kreftregisteret er f.eks. på mange måter unikt. Det gir oss en god mulighet til å utvikle næring, det gir oss et godt forskningsgrunnlag, det gir oss god statistikk og god oversikt. Vi har gode kompetanse- og forskningsmiljøer med nær tilkobling til våre offentlige helseinstitusjoner. Samtidig har godt forskningsgrunnlag, det gir oss god statistikk og god oversikt. Vi har gode kompetanse- og forskningsmiljøer med nær tilkobling til våre offentlige helseinstitusjoner. Samtidig har vi fått en god grobunn for innovative SMB-er innen medisinsk sektor, og det kommer stadig opp nye ideer og prosjekter gjennom våre universiteter og helseforetak. Jeg er også enig med interpellanten i at risikovillig kapital er viktig, og her er det jo – med høy risiko og lang horisont og mye kapitalbehov

Investinor, såkornfond, er virkemidler som har hatt betydning. Likevel skal vi også se i øynene at i hvert fall den første generasjonen såkornfond ikke ga de resultatene som man kanskje ønsket seg, og at det er viktig at statens midler som går inn som risikokapital, også brukes på en god måte. Jeg liker den tilnærmingen at man ser et område som kommer til å vokse sterkt, og spør seg: Kan Norge være en del av denne utviklingen, har vi her bestemte fortrinn, har vi her bestemte muligheter som kan gi oss en mulighet for å sørge for at vi deltar i en næring som vil ha stor produktivitetsutvikling, store markeder og god inntektsstrøm? inntektsstrøm? Med stadig økende global konkurranse må vi utvikle områder der vi kan ha komparative fortrinn – enten de er naturgitte eller samfunnsskapte – i tillegg til å satse på generelle, gode rammevilkår for næringsvirksomhet i Norge. Regjeringen satser allerede betydelige midler på medisinsk forskning og kommersialisering av medisinsk teknologi. Medisinsk og helsefaglig forskning omfatter en stadig større andel av den totale forskningsinnsatsen i Norge. Helseforetakene og universitets- og høyskolesektoren prioriterer medisinsk og helsefaglig forskning høyt. Det har også vært en økning i til helseforskning gjennom Norges forskningsråd. Jeg nevnte de velfungerende helseregistrene som et godt grunnlag for å gi pasientene god behandling og oppfølging, men også for å kunne forske på og utvikle gode næringsområder. Samtidig er det viktig at vi ivaretar gode personvernhensyn, for dette dreier seg jo om viktige opplysninger om enkeltpersoner. Vi ønsker å utnytte den høye kompetansen vi har innenfor det medisinske og helsefaglige området. Interpellanten nevner Oslo Cancer Cluster, som er fremragende internasjonalt på sitt område, men det finnes også andre gode eksempler. Også i innovasjonsmeldingen – Et nyskapende og bærekraftig Norge – var dette berørt, særlig behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i var dette berørt, særlig behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren og det å legge til rette for et innovativt og nyskapende næringsliv. Vi vil fortsette å se på om virkemiddelapparatet er godt nok innrettet for å møte behovene innenfor medisin og helse. Moderne medisinsk behandling, herunder også bruk av diagnostikk og legemidler, bygger i økende grad på bioteknologi og genteknologi. Her har vi også det siste tiåret betydelige og langsiktige forskningsinnsatser. Vi ser betydningen av annen og teknisk forskning også innenfor det nukleære feltet, som f.eks. ved Institutt for energiteknikk – at det har betydning for medisinsk forskning, er spennende. Slik har vår forskningssatsing frembrakt medisinske og bioteknologiske forskningsmiljøer som helt sikkert kan gå inn i en slik næringssatsing. Jeg viste innledningsvis til at medisinske virksomheter, og i særdeleshet legemiddelprodusenter, er rettet inn mot globale markeder. Det betyr også at vi har et stort potensial, hvis vi lykkes, men at konkurransen er tilsvarende krevende. Derfor er det også viktig å ha en god kommersiell og industriell kompetanse som det private næringsliv må bruke for å lykkes internasjonalt. I forskningsmeldingen, Klima for forskning, meldes det at det skal arbeides systematisk med å utvikle kunnskapsgrunnlaget på de brede teknologiområdene IKT, bioteknologi og materialteknologi/nanoteknologi. Vi lager nå strategier på flere av områdene, og det også å ha en kommersiell strategi, en industriell strategi, blir viktig. Vi arbeider nå med en helhetlig strategi på det bioteknologiske området. Vi hadde nettopp en oppstartskonferanse for nanoteknologi, og tilsvarende er det også strategiarbeid for IKT. Disse strategiene vil danne grunnlag for næringslivssatsingene og forskningen og innovasjonsgrepene som vi må gjøre for å lykkes.

i en uheldig situasjon opp mot det internasjonale regelverket som gjelder. Likevel har regjeringen vist at det går an å ha en ikke-nøytral politikk som er i overensstemmelse med EØS-regelverk, WTO-regelverk og internasjonale avtaler. Vi kan legge til rette for de områdene hvor vi har en spesiell kompetanse, eller vi har et spesielt behov. Med de demografiske utviklingstrekkene som interpellanten godt beskrev, med en dobling av antall pensjonister fram til 2050, med færre sysselsatte per pensjonist, trenger vi alle de gode kreftene, alle gode ideene og alle de teknologiske framskrittene som kan hjelpe oss til å få en god helsetjeneste, et godt omsorgstilbud og en god alderdom for alle, men også for yngre som trenger medisinsk behandling eller legemidler. Her kan vi skape næringsvirksomhet og dekke noe av det viktigste som er i våre behov. Jeg tror langt på vei vi har de virkemidlene som skal til for å få til kommersiell virksomhet. Jeg tror definitivt at vi har et godt utgangspunkt, god kompetanse og gode miljøer, men at ufordringen først og fremst ligger i å bruke dem på den rette måten – og kanskje også få virkemidlene enda mer innrettet mot at denne næringen skal lykkes.

har i veldig liten grad fått fokus, mens andre ting har fått mer fokus. Jeg synes at statsråden var inne på det. Vi skal satse der vi har kompetanse – det er jeg helt enig i – eller behov. Da kan det noen ganger virke slik at de behovene i større grad er distriktspolitiske behov industriell utvikling og samfunnsmessige behov. Derfor mener jeg at det kanskje er legitimt å ha en debatt om vi nå skal sette mer fokus på og mer midler inn mot

produkter. Derfor har jeg lyst til å understreke at det er ikke sånn at alt som kommer ut fra norske universiteter og medisinske forskningsmiljøer, på noe som helst tidspunkt kan bli norske produkter. Det lar seg rett og slett ikke gjøre. Men det er bra at vi holder på med det likevel, for det vil hjelpe norske pasienter når det i sin tur kommer tilbake til Norge som ferdigutviklede produkter. Jeg har bare lyst til å utfordre statsråden på én ting til. Det er litt utenfor statsrådens konstitusjonelle felt, men det er nå en gang sånn at de som utøver og produserer helsetjenester i Norge, driver med forskning. Det gjør de veldig bra. Så utfører de også pasientbehandling, og det gjør de vel for så vidt også i all hovedsak ganske bra, men det er ikke veldig mye innovasjon og krav om innovasjon i pasientbehandlingen, verken i primærhelsetjenesten eller på de norske sykehusene. Bør det offentlige som produsent og leverandør av helsetjenester også begynne å stille noen krav til innovasjon i de behandlingsmetodene som blir valgt? Selv om det ikke er statsrådens konstitusjonelle ansvar, håper jeg at han kan mene noe også om det. Jeg har ingen planer om noe også om det. Jeg har ingen planer om å overta helseministerens ansvar. Derimot kan jeg svare på mer generelt grunnlag at vi har en veldig sterk kultur i Norge med medarbeiderdrevet innovasjon. Nå snakker vi nok om litt forskjellige ting her. Den mest avanserte forskningen rundt nye legemidler tror jeg vi skal overlate til høyt kvalifiserte farmasøyter, kjemikere og andre. Det tror jeg ikke vi skal utprøve på sykehjem eller helseinstitusjoner lokalt, i hvert fall ikke uten god veiledning fra eksperter. Derimot foregår det mye innovasjon i hvordan tjenestene utføres, hvordan man legger til rette arbeidsdagen, hvordan man bruker teknologiske hjelpemidler. Det er jo ikke bare medisin det er et stort behov eller potensial for. Bare tenk på hva moderne senger gjør for det slitet det tidligere var å løfte, bære og legge til rette. Det er veldig mange innenfor helse og telemedisin som har lyktes med å skape gode produkter som har internasjonal nytte. Det er mange områder som kunne nevnes innenfor hele den næringen som vi nå snakker om.

heldigvis – lever mye lenger. Vi lever også lenger med sykdom. Så det er ganske trygt å si at dette kommer det til å være et stort behov for, på samme måte som mange av de andre satsingsområdene til regjeringen, som den maritime næringen, den marine næringen – hele sjømatseventyret. Vi kommer til å trenge mye proteiner – og energi, selvsagt, som vekst i både forbruk og antall mennesker gjør at vi trenger mer av. Dette er etter mitt syn en god – hva heter det

Det andre var lengda – det tek gjerne ti–tolv år, og i fleire tilfelle endå lengre tid enn det, før ein har utvikla eit legemiddel. Det tredje var at dette var svært, svært kapitalintensivt. Og det siste at det er stort fråfall av prosjekt undervegs. Det er eit fåtal som lykkast. Alt dette gjer at risikoen er svært høg, og dette igjen gjer det vanskeleg å reisa privat kapital i den første, avgjerande fasen. Ein ventar til lengre ut i løpet med å investera, av di risikoen da minkar vesentleg. Når representanten Lien påpeikar at farmasinæringa har eit stort potensial i Noreg, er eg samd i det. Vi har eit godt utbygd offentleg helsevesen med lik tilgang for alle, og pasientregister, Vi har også gode koplingar mellom forsking, høgskular/universitet og helseinstitusjonar. Regjeringa satsar alt i dag store beløp på medisinsk forsking og kommersialisering av medisinsk teknologi. Det ser vi på universiteta og høgskulane våre, som prioriterer dette høgt. I tillegg har regjeringa auka midlane som går til Noregs forskingsråd. Det er viktig. Koplinga mellom forsking og helseføretak er utvikla og styrkt, og dette er eit viktig grep for å sjå heilskapen og for å få styrke. Det er i dag ei pågåande femårssatsing, som starta i 2007, og som gjeld behovsdriven innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren, mellom Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Her er det sett i gang ei evaluering, og vi i Arbeidarpartiet ser fram til resultatet av denne evalueringa. Der vil vi få ein del svar på om det offentlege verkemiddelapparatet er hensiktsmessig innretta, eller om det trengst endringar. Arbeidarpartiet er nøgd med at regjeringa arbeider med ein heilskapleg strategi på det bioteknologiske området, og at eit tilsvarande arbeid er sett i gang for nano- og materialteknologi og IKT. Dette er eit eksempel på at vi lyttar når vi er ute på bedriftsbesøk, og tek signala på alvor. Ein heilskapleg strategi vil vera svært viktig, men, som ministeren sa, Noreg er eit lite land og vi må gjera nokre vegval, for vi evnar ikkje å gapa over alt innanfor forsking på dette breie feltet. Evalueringa av FORNY-programmet peika på at det måtte gjerast nokre endringar viss vi skal lykkast i å bringa dei aller beste ideane fram, og eg er samd med ministeren i betraktningane hans kring dette. Vi må evna å identifisera dei beste ideane og prosjekta, og på færre prosjekt og bruka meir ressursar på det enkelte prosjektet enn å fordela midlane litt jamt utover. Dette stiller store krav til verkemiddelapparatet vårt. Vi har ved fleire høve diskutert behovet for såkornmidlar, Business Angels, pre-såkornmidlar o.l. her i salen. Regjeringa har sagt at ein følgjer dette området nøye, og at ein vil koma tilbake til eventuelle tiltak her. er nok alle her i salen samde om at dette er viktige verkemiddel som vi må ha eit særleg fokus på også i framtida. Arbeidarpartiet er samd med næringsministeren når han seier at offentlege forskings- og innovasjonsressursar bør som hovudregel innrettast slik at dei fremmar prosjekt med størst mogleg samfunnsøkonomisk lønsemd, uavhengig av kva næring eller sektor desse tilhøyrer, og at vi langt på veg har mange av verkemidla som skal til, men at vi må sjå på dimensjoneringa og retta fokus på om vi nyttar desse på rett måte i dag. Det

Biomedisin er en industriell sektor som sannsynligvis vil ta større og større plass i verdensøkonomien. Det ble tidligere nevnt eldrebølgen, folks forventninger til helsevesenet, kombinert med medisinske nyvinninger, og alt dette er faktorer som vil bidra til dette. Dette er en næring våre naboland systematisk støtter opp under. Dansk bioteknologi utgjør 5 pst. av bruttonasjonalproduktet i Danmark, målt i 2006-tall, og sysselsetter over 40 000 mennesker. Høyre mener det er god grunn til å gå nærmere inn og sysselsetter over 40 000 mennesker. Høyre mener det er god grunn til å gå nærmere inn i årsakene til den store forskjellen i verdiskaping mellom norsk og dansk life science. I Danmark og Sverige har myndighetene tydelig kommunisert at man ser biofarmasi som en næring med stort potensial, og lagt til rette for utvikling. Medicon Valley, et dansk–svensk samarbeidsprosjekt, er det mest kjente. Seks av de ti største legemiddelselskapene i verden har etablert samarbeid med bedrifter i I Norge har vi et Cancer Cluster som er etablert i Oslo, og som er et såkalt Norwegian Centre of Expertise. Programmet ble etablert av kommunal- og regionalminister Erna Solberg i 2004, og OCC ble utnevnt som Norwegian Centre of Expertise, sommeren 2007, av regjeringen Stoltenberg. Tidsskriftet Genome Technology fra New York kåret i juni 2008 Oslo til en av de 20 ledende biotekklyngene i verden innen utvikling av ny kreftbehandling og kreftdiagnostikk, og den eneste fra Europa som fikk plass på listen. Dette illustrerer potensialet som ligger i norsk biomedisinnæring, også i et globalt perspektiv. I vårt representantforslag setter Høyre søkelyset på flere aspekter som utfordrer næringen. Norge ligger lavest i Norden og under OECD-gjennomsnittet i Europa i andel av bruttonasjonalprodukt til forskning, utvikling og innovasjon. Forskningsbudsjettet er i 2011 det svakeste på ti år målt i vekst. Her er det etter Høyres mening rom for forbedring. På bakgrunn av de forhold som tidligere har vært nevnt, foreslo Høyre i Stortinget at det bør utarbeides en helhetlig og langsiktig strategi for biomedisin. Vi understreket at en slik strategi bør omfatte en målrettet og helhetlig innretning i virkemiddelapparatet med et større fokus på nytteverdi og kommersialisering. En videreutvikling av støtteordninger som SkatteFUNN, FORNY, SIVA-inkubatorene, Investinor og Innovasjon Norges satsing på helsesektoren bør styrkes slik at et balansert tilbud av virkemidler som fremmer forskning, innovasjon og næringsutvikling, kan Det er viktig å trekke erfaringer fra andre sektorer, og Høyre mener det bør etableres et strategiråd for utvikling av norsk legemiddel- og helserelatert biomedisinsk næring. De forhold som vi har pekt på i vårt forslag, og som interpellanten her tar opp, mener Høyre er svært viktige. Høyre er enig i at tilgang til risikokapital er kritisk for bransjen, der utviklingstiden fram til salgbart produkt kan være både ti og tolv år. Høyre er også enig i at farmasinæringen har stort potensial i Norge. Det forutsetter imidlertid at det er politisk vilje til å ta de nødvendige grep. La meg derfor peke på at Høyres forslag om en langsiktig strategi for biomedisin nå er til behandling i Stortingets helse- og omsorgskomité, og at det er fritt fram for alle å slutte seg til det når det kommer hit til salen.

utgangspunkt. Ein av grunnane til at vi har eit godt utgangspunkt, er at vi har hatt eit framsynt offentleg helsevesen som har sikra oss eit stort tilfang av offentleg tilgjengeleg materiale rundt sjukdom og helse. Det som er eit poeng no i det vidare arbeidet, er å kunne utnytte dette til det beste for forskinga på ein måte som gjer at vi får gode resultat utan å gå på akkord med personvernet, og det er det store moglegheiter for. Legemiddel, diagnostisk verktøy og medisinsk utstyr utgjer ein veldig stor sektor. Den sektoren spenner veldig vidt. Berre i mitt fylke kan vi sjå at vi på den eine sida har General Electric, som er representert med ein legemiddelproduksjon, og det er verdas største selskap. På den andre sida har vi små, nyetablerte selskap, som produserer utstyr for overvaking av hjartepasientar. Så det er ein veldig vid sektor vi snakkar om når vi snakkar om helserelatert forsking og helserelatert næringsutvikling. Felles for desse bedriftene er at dei er veldig kompetansetunge. er det viktig å satse på forsking og utdanning. Då kan eg replisere til Frank Bakke-Jensen at dei siste fem åra har det vore ein større vekst i norsk forsking enn nokon gong tidlegare, også i den perioden hans parti sat med makta. Så kan eg også vidare replisere at når det gjeld å bruke midlar på forsking, ligg Noreg godt an i forhold til OECD-gjennomsnittet i offentleg finansiert forsking. Men vi har ei utfordring med å få næringslivet med på å leggje inn like mye som det næringslivet gjer i andre land. Det er ei utfordring som vi må jobbe med. Der tek vi gjerne Høgre med på laget for å diskutere korleis vi skal få næringslivet til å forske meir. Men, som sagt, den offentlege finansierte forskinga aukar meir no enn det har gjort under tidlegare

har hatt varierande resultat rundt om. Men det er ei relativt sterk satsing på verkemiddel for å bringe kompetanse frå forsking i akademiske miljø over til produkt i kommersielle miljø. miljø. Dei har også spesielle kommersialiseringseiningar som har spesialisert seg på medisinsk forsking, som det er blitt nemnt her i dag. Det gjelder bl.a. Medinnova, som no har slått seg saman med Birkeland Innovasjon og har utvikla også har vore nemnt her før i dag. Så det blir satsa mykje på kommersialiseringsverktøy, og eg trur Noreg har eit behov for det, for dei akademiske miljøa i Noreg har ikkje vore veldig fokuserte på å kommersialisere forskingsresultat. Så det at det offentlege bidreg til å skape verktøy som kan ta resultat av forsking ut i kommersielle miljø, er

er spesielt kapitalkrevjande. Som det har vore nemnt før her i dag, er det å utvikle medisin ekstremt kapitalkrevjande. Den bransjen som produserer medisin, og som utviklar medisin, er dominert av

i. Derfor kan vi ikke lykkes med alt og kommersialisere alle de gode ideene. Det er en grei erkjennelse å ha med seg. Så sier representanten Heggø at vi må ha mer spissing. Det er jeg helt enig i. Vi må ha mer fokus på ting som faktisk fungerer. Og da var representanten Holmelid inne på noe annet viktig. Han sier vi har mange ordninger.

han brukte begrepet, en god «runner up». Jeg er ikke helt enig med representanten Bakke-Jensen i at det akkurat på dette feltet er den offentlig finansierte forskningen som er problemet, for der leverer vi gode resultater. Problemet er å få det over den broen, over det gapet, over den kløften som er der. Der er det vel egentlig slik at den statsråden som i størst grad kan påvirke det bygge en bro over den kløften, er næringsministeren. Forskningen har vi, det er kommersialiseringen vi trenger. Jeg er ikke i tvil om at skal vi klare å bygge denne broen, må i hvert fall TTO-ene rundt på de norske universitetene og universitetssykehusene styrkes. Jeg tror også at det må inkludere og i større grad innlemme bioteknologi og biomedisin

Så det å klare å bruke de aktive næringspolitiske virkemidlene vi har, det å bruke tilrettelegging innenfor forskning og utvikling, det å få en god innovativ kraft i bedriftene, det å sikre risikovillig kapital, det å få samspillet mellom forskningsinstitusjoner og utdanningsinstitusjoner og næringslivet til å fungere godt, det også å sørge for patentrettigheter og muligheter på et internasjonalt marked – ja, alle de områdene som en aktiv næringspolitikk egentlig består av – kommer til fulle inn som viktige premisser for at vi skal lykkes på dette området. Vi skal følge utviklingen i næringen tett. Vi skal se på om vi skal styrke virkemidlene. Vi skal se på hvordan vi kan sikre kapitaltilgang til næringslivet generelt. Men jeg mener også at denne næringen spesielt er en god kandidat for ytterligere oppmerksomhet. Vi kommer enda sterkere tilbake. Jeg har stor tro på de gode kompetansemiljøene som Norge har på dette området, vil være i full stand til å gjøre dette til i hvert fall ett av de områdene som vi skal leve av – om ikke etter, så samtidig med oljen. Dermed er debatten i sak nr. 11 avsluttet. Vi er

om endring i

at jeg har

president

enten det

er det klart